mer krevende framover. Mindre bedrifter er i to former: Det ene er sjølstendig næringsdrivende med ubegrenset økonomisk ansvar. Det andre er ikke-børsnoterte aksjeselskaper med begrenset ansvar. Den mest krevende utfordringen for mindre bedrifter er utfordringen knyttet til sjølstendig næringsdrivende som har svært Det er ikke tatt fram i forslaget fra Kristelig Folkeparti. Jeg er helt sikker på at Kristelig Folkeparti er opptatt av det, men det er svært liten kunnskap rundt i samfunnet om at for sjølstendig næringsdrivende er det først 16 karensdager, og så er det 65 pst. dekning etter 16. dag, mens lønnsmottakere har Det er en av de viktigste grunnene til at mange yngre personer, kvinner og menn, ikke velger å starte som sjølstendig næringsdrivende, fordi de sosiale ordningene er for svake. Det må være en prioritert oppgave å forbedre det. Videre tar Kristelig Folkeparti opp spørsmålet om faste ansettelser, at det skal være annerledes i små kontra store bedrifter. Det vil Senterpartiet advare mot. Hvis det skal være forskjell i ansettelsesvernet i forhold til om bedriftene er store eller ikke, vil man få to klasser, hvor de små bedriftene er mindre attraktive. Det er ikke heldig. Det er viktig at de små bedriftene er attraktive for sine medarbeidere også. Når det gjelder forslaget om arveavgift ved eierskifte i familiebedrifter, er det først og fremst kommet opp i forbindelse med arv Familiebedrifter er igjen sjølstendige næringsdrivende og ikke-børsnoterte aksjeselskaper. Virkemiddelet som Kristelig Folkeparti tar fram, med redusert arveavgift med 10 pst. per år i en tiårsperiode, kan være ett alternativ. Et annet alternativ, som er mer enkelt å realisere, er at man ser på verdsetting av driftsmidlene ved arv, slik at til produksjonen verdsettes lavere, og at det dermed blir lettere for neste generasjon å videreføre det. Definisjon av familie er greit i familiebedrifter. Det er mer krevende i ikke-børsnoterte aksjeselskaper, og jeg regner med at forslagsstillerne da tenker på ikke-børsnoterte aksjeselskaper som er heleide av familie og barn. Når det så gjelder formuesskatt på arbeidende kapital, har vi en diskusjon Hvis en i arbeidende kapital også legger aksjekapitalen, er vi helt ute på vidåtta, for dermed blir det umulig å skille mellom aksjekapital, obligasjoner, bankinnskudd og det hele, og dermed river en grunnlaget vekk fra hele formuesskatten. Professor Terje Rein Hansen har i dagens nummer av Dagens Næringsliv beskrevet konsekvensene av det, og det tror jeg de fleste her i salen ikke ønsker, for alternativet til at den formen for minstefradrag for sjølstendig næringsdrivende, har det blitt aktuelt fordi minstefradraget for lønnsmottakere har økt kraftig i det siste, mens personfradraget, som også omfatter sjølstendig næringsdrivende, ikke har økt tilsvarende. Så et alternativ til å innføre et eget minstefradrag for sjølstendig næringsdrivende er jo da at personfradraget økes kraftig, slik at en dermed får en mer likebehandling mellom sjølstendig næringsdrivende og lønnsmottakere. Når det gjelder spørsmålet om to aksjelover, er det forslag som er interessante å drøfte videre, på samme måten som regjeringa nå drøfter spørsmålet om fjerning av revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Hvis en går inn for å fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskaper, noe som vi håper det ligger an til, er det også naturlig å se på å skille mellom små og store bedrifter i forhold til aksjelovgivningen, som gjør at det er mulig å få et enklere regelverk for små aksjeselskaper. Skjemaveldet – alle er enige om det , få snakker om de mange som ønsker det kompliserte regelverket. Min erfaring fra Kommunaldepartementet er at mange i næringslivet ønsker kompliserte regelverk for dermed å ha noen beskjeftigelser. Det er ganske komplisert. Til slutt: Vi er glad for temaet, vi ønsker bedre vilkår, vi ønsker at vi jobber systematisk og grundig med hvert enkelt av dem, for dette blir viktigere i tida framover, når den økonomiske situasjonen

generelt gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å sikre underveksten av ufødte bedrifter. For Venstre er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Derfor vil vi bl.a. opprette et eget norsk regelråd etter den svenske, vellykkede modellen, som bidrar til mindre byråkrati. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere, bl.a. gjennom rettigheter til sykepenger og pleie- og omsorgspenger ved omsorg for egne barn og ved sykdom under svangerskap. Jeg er veldig glad for at representanten Lundteigen kom inn på det temaet i sitt innlegg her i sted. Da det meste er sagt i denne saken, vil jeg avslutningsvis gi en stemmeforklaring. Venstre stemmer for forslagene nr. 1–6 og 26–29. Forslagene nr. 7–25, fra Fremskrittspartiet, er stort sett gode forslag som Venstre støtter intensjonen i. De er identiske med forslag som vi behandlet under finanskomiteen, som det er sagt her. Vi stemte imot da, og vi stemmer også imot i dag, for vi mener at de må utredes bedre. La meg først takke forslagsstillerne for at vi nok en gang kan diskutere forenkling i stortingssalen. Det tar jeg som et tegn på at engasjementet fortsatt er stort. Alle forslagene som kommer opp, bedre. La meg først takke forslagsstillerne for at vi nok en gang kan diskutere forenkling i stortingssalen. Det tar jeg som et tegn på at engasjementet fortsatt er stort. Alle forslagene som kommer opp, vil vi se på

om hvorvidt tidligere regjeringspartier kanskje burde tenkt på disse tingene den gangen de satt med flertall og styrte Norge. Nå skal det i hvert fall skje mer enn noen gang. Det er mange interessante forslag forslagsstillerne fremmer. Selv om spørsmålene rundt arbeidsmiljølov og arbeidstakerrettigheter nok er en skillelinje mellom i hvert fall de rød-grønne partiene og høyresiden, tror vi at det er mulig å få til mange forenklingstiltak, mange konkrete virkemidler, som gjør at det kan bli bedre for særlig småbedriftene, uten å måtte svekke ansettelsesforhold, oppsigelsesvern og arbeidstakerrettigheter. Vi skal følge opp i det videre arbeidet, slik at vi nå kan komme ut av det mange næringsministre har hatt om dette – fine mål og fine formuleringer – og over i en konkret handlingsfase. Bedriftene lever verken av forslag eller ord, de lever av konkret virkelighet, og det er til den vi må omsette de ambisjonene Stortingets partier har en enstemmig tilslutning til. Vi har satt i verk konkrete tiltak for å forenkle hverdagen for norsk næringsliv allerede – det er det flere regjeringer som har gjort. Altinn er et slikt eksempel. Før helgen fikk finansministeren og jeg presentert en undersøkelse som viser at Norge er et av de letteste landene i verden å forholde seg til når det gjelder skatteregelverk og skatterapportering. Det er faktisk slik at de tallene som Nederland presenterte for oss da vi var i Nederland, viser at Nederland etter å ha gjennomført 25 pst. reduksjon i bruk av tid-kostnader for bedriftene har kommet ned mot det norske nivået, kartlagt på samme måte, etter EUs standarder. Selv om undersøkelser viser at det er

Det er de unødvendige byråkratiske reglene, det kompliserte rapporteringssystemet, vi må gå etter, slik at vi styrker verdiskapingen og ikke svekker den. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg kan forsikre statsråden om at forenkling og reduksjon av skjemaveldet er for replikkordskifte. Jeg kan forsikre statsråden om at forenkling og reduksjon av skjemaveldet er noe som mange partier har jobbet med i mange år. Representantforslag er ikke noe man fremmer fordi denne regjeringen har tatt til orde for det. Bakgrunnen er at man kanskje er utålmodig, fordi man har fremmet en rekke forslag uten at man har sett at man har kommet noen vei. Men statsråden skal i hvert fall ha det at han har satt seg inn i hvordan det er i andre land. Da stiller jeg følgende spørsmål til statsråden: Hadde statsråden under sitt besøk i Danmark inntrykk av at Danmark også bare er kommet ned til det norske nivået? Statsråden nevnte Nederland, men i hvert fall den undersøkelsen som undertegnede har sett, viser at Danmark faktisk er kommet godt i gang, kommet langt bedre stilt. Så vil jeg bare minne statsråden om at det er ingen i denne sal som har sagt at man har ambisjoner om å komme ned til null – det ble nevnt 50 mrd. kr. Det er 25 pst. man faktisk har
for Danmark når det gjelder hvor mye av BNP som går til bruk av tid og administrative oppfølginger fra bedriftene, har jeg ikke. Det var Nederland jeg viste til, som nærmet seg norsk nivå etter å ha redusert med 25 pst. I Danmark er de gode. med 25 pst. I Danmark er de gode. Med tverrpolitisk støtte fra det danske folketinget er det satt trykk på arbeidet, og det er gjennomført mange tiltak. Sånn sett kan vi lære av andre. Det tar vi med oss når vi skal gjennomføre ting i Norge. Det var hyggelig at statsråden kunne referere til rapporten Doing Business. Når vi blar i den, ser vi at de har sett på litt av hvert. Det er bl.a. en undersøkelse som sammenligner utviklingen i 180 land de siste fem årene

Spørsmålet mitt til statsråden blir da: Stoler han like mye på dette kapitlet som han stoler på det kapitlet om at det skulle være lett å få betalt skatten sin i Norge?
av hvor lett det er å drive næringsvirksomhet i Norge, viser at det er store variasjoner mellom ulike felt. Det som staten har ansvaret for, f.eks. det som nå ble nevnt om å betale skatt, kommer vi særdeles godt ut av. Der vi kommer særdeles dårlig ut, er på byggesaksbehandlinger. Stort sett er det i kommunene – etter husken – nesten trekvart år å vente på å få behandlingen ferdig. Jeg tror denne byen er et godt eksempel på det, hvor Høyre og Fremskrittspartiet har styrt i 14 år, uten at jeg tror at arkitektfirmaer eller eiendomseiere og utbyggere føler at det er en voldsom forbedring i måten ting behandles på. Det er mulig at vi som stat burde være enda tøffere når det gjelder kommunenes behandling av denne typen saker. Det er det området hvor vi i særdeleshet kommer dårlig ut i disse internasjonale undersøkelsene. Det er store forventninger til at det blir gjort noe med revisjonsplikten, som mange oppfatter som gryteklar. Kan statsråden nå på tampen av året her i Stortinget si noe om når dette kommer? Og kan han også si noe om hvor praktisk han synes det er at en slik endring blir gjennomført f.eks. i 2011 når bedriftene er godt i gang med driftsåret sitt, hvis de da blir
statsråd formelt sett. Det er Finansdepartementet som har regelverket på dette området. Men vi har oppfattet signalene fra næringslivet om at dette er en viktig sak. Samtidig har vi jo sett at deler av næringslivet, bl.a. Revisorforeningen, har et annet syn på dette. Så ukontroversielt er det ikke. Dersom vi får til en endring på dette, vil det være det største enkelttiltaket på forenkling noensinne, så jeg skjønner at næringslivet er engasjert i det. Men det må være finansministeren og Finansdepartementet som må svare på spørsmålet om framdriften i den saken. Da er replikkordskiftet omme.

vi løper foran i toget nå – det er et faktum. Det er også et faktum at det er statsråden som er bakerst. Så til representanten Lundteigen, som jeg alltid setter stor pris på i disse debattene. Han er småbedriftenes gode talsmann. Han snakker om «stort fokus» og viktige tema i dette forslaget fra Kristelig Folkeparti – det samme forslaget som representanten Heggø sier som så om: Det er vanskelig å få tak i noe konkret. konkret. Det er 30 helt konkrete forslag! Det er bare å lese. På den annen side undrer det meg litt at representanten Lundteigen, som synes at dette er så viktig, disse 30 forslagene, har vanskeligheter med å finne noen som han er for, for det er noe med dem alle som han egentlig ikke liker. Bare til et av de viktige, dette med med en enklere adgang for ansettelser for små bedrifter: Det er ikke slik forslaget er, det er generelt. Men det står som en begrunnelse at dette ville være særlig viktig for de små bedriftene. Jeg ber representanten Lundteigen lese dette veldig nøye. Akkurat det forslaget fra Kristelig Folkeparti, som jeg synes er et forsiktig forslag – jeg holdt nær sagt på å si saktmodig forslag, for å holde meg til terminologien – synes jeg ikke man skal møte slik som representanten Heggø gjør, med å skrike om brutalitet i arbeidslivet. Det fortjener faktisk ikke den omtanken som forslagsstillerne har for småbedriftene. småbedriftene. Representanten Heggø synes da det er greiere å gå over til å snakke om skattelette, som jo står i manus fra før, fra alle valgkamper tilbake og i det hele tatt. Når det gjelder det at kommuneøkonomien vil svekkes med 9 mrd. kr hvis man fjerner formuesskatten, anbefaler jeg næringsfraksjonen til Arbeiderpartiet, kanskje også de øvrige rød-grønne, om å ta kontakt med sin egen finansfraksjon og spørre hvordan Høyres alternative budsjetter er blitt saldert de senere årene. Jeg har sittet i åtte år, laget åtte budsjetter og foreslått fjerning av formuesskatt – jeg har aldri saldert dette mot kommuneøkonomien i det hele tatt. Så ja, argumenter gjerne mot stimulans for bedriftene og skattelette, men med blanke våpen. Eg skal begynna med det siste frå representanten

av fire. Det medførte faktisk at vi tvinga regjeringa Bondevik til å koma med 2 mrd. kr meir til kommunesektoren. Det vert faktisk nokre få byggjesaker meir ein kan handsama for den summen der, i tillegg til andre gode ting. Så til brutalisering i arbeidslivet. Framstegspartiet har stemt for alle brutaliseringsvedtaka, så vidt som eg har fått med meg. Det kan henda at eg har gått glipp av det éin gong dei har stemt imot, men eg trur dei har stemt for i alle samanhengar eg har sett. Men vi i Arbeidarpartiet, saman med SV og Senterpartiet, har reversert dei forslaga som faktisk hadde fleirtal under Bondevik-regjeringa. Her går det ei klar skiljeline i den norske politikken. Det er politikken. Det er helt riktig at Senterpartiet står opp for de små bedriftene. Det gjør vi enten vi er i opposisjon eller vi er i regjering. Årsaken til det er sjølsagt at vi historisk i det norske samfunnet har vært i den situasjonen at de større bedriftene og lønnsmottakerne har hatt mer kraftfulle organisasjoner som har greid å påvirke myndighetenes rammebetingelser, noe som har ført til at småbedriftene over tid har kommet svakere ut. Senterpartiet føler et spesielt ansvar for å ivareta småbedriftene, fordi svært mange av Senterpartiets velgere har sin basis der. Når representanten Flåtten sier at det for Senterpartiet er vanskelig å finne noe en er for, er det feil. Jeg sa i mitt innlegg at vi har stor interesse for og er positive til å forbedre systemet med arveavgift ved eierskifte. Vi har stor interesse for å se på forbedring av formuesskatten i forhold til definisjonen av arbeidende kapital. Vi har stor interesse av å øke personfradraget for å bedre situasjonen for de sjølstendig næringsdrivende. Vi har stor forståelse for – ja, mer enn det – å se på behovet for to aksjelover, ikke bare én, og for å se på spørsmålet om fjerning av revisjonsplikten, som statsråden har svart på på en forbilledlig måte.

Når det så gjelder formuesskatten, har jeg bare lyst til å si litt mer om den artikkelen som Terje Rein Hansen hadde i Dagens Næringsliv i dag, hvor overskriften var «Behold formuesskatten». Han sier der: «Det faktum at de «superrike» ikke lenger betaler skatt vil kunne være helt ødeleggende for skattemoralen». Dette gjelder altså hvis en tar vekk formuesskatten. Professor Hansen sier også: «Kommuner som Oslo, Asker og kommuner med beskjeden eiendomsskatt, som eksempelvis Bergen, vil provenytapet kunne dekkes inn ved å justere eiendomstakstene som legges til grunn ved fastsettelse av eiendomsskatten.» For Senterpartiet er det helt klinkende klart at en revidert formuesskatt formuesskatt er vegen å gå framfor å ta vekk formuesskatt og dermed ta vekk skattlegging av all finansformue, noe som vil skje dersom en gjennomfører eiendomsskattlegging i Norge, slik som en gjør i våre naboland. Svakheten ved eiendomsskatten og fordelene ved en formuesskatt hvor arbeidende kapital, som ikke er arbeidsfrie inntekter, ikke legges til beskatning,
Neste taler er representanten
lite påaktet. Det skal bli interessant å følge de rød-grønne partienes ferd videre framover knyttet til skatte- og avgiftsregimet, for nå har vi akkurat hørt Lundteigens innlegg

arbeidslivet. Et av problemene som vi har sett de senere årene, er jo nettopp at man ikke har klart å få flere av dem som har stått utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt funksjonsevne, til å komme inn i arbeidslivet. Kanskje representanten Heggø kan reflektere litt rundt det. Så sier representanten Heggø også at da vi, altså Arbeiderpartiet, inngikk et forlik med Bondevik-regjeringen, fikk man bedret kommuneøkonomien med Så glemmer man å si at man endret også systemet innenfor helsevesenet, som gjorde at flere personer ikke fikk behandling. Man endret også egenandelsbiten innenfor helsevesenet. Det er sikkert mye med forskjellige typer budsjetter, men nå synes jeg at historie bør være historie. Så må man se framover og hvordan det kan bli bedre i framtiden, og ikke bare se på gammel historie. Jeg er glad for at representanten

historie. Jeg er glad for at representanten Heggø tonet ned noen av de mest bombastiske utsagnene i sitt siste innlegg. Det tror jeg er bra, for vi snakker tross alt om alle landets titusenvis av småbedrifter og om eiere som jobber der hver eneste dag. Det er da jeg også synes det er underlig med et utsagn fra representanten Lundteigen, som har utnevnt seg selv til småbedriftenes store beskytter og fanebærer – og det må han gjerne gjøre – der han sier at «når en får tenkt seg om», vil de mene at dette med mer fleksible jobber, midlertidige ansettelser, ikke er noe for dem. Jeg vet ikke om representanten Lundteigen var på Småtinget i Alta. Da ville han hørt helt unisont hva norske småbedrifter og deres eiere mener om dette. Det kan ikke ha gått ham hus forbi. Så er jeg veldig glad for at representanten Lundteigen nå åpner for flere av de forslagene som er fremmet, og sier at han har stor interesse av dem, tror jeg det er. Da håper jeg at han kan arbeide innad i regjeringen, slik at vi til slutt kan se noen konkrete eksempler på dette arbeidet, og at også han kommer fremst i det toget som er beskrevet av statsråden, og ikke går bakerst sammen med sine egne. Så nok en gang til dagens artikkel i Dagens Næringsliv av den pensjonerte professor Hansen i og jeg må gjenta det også for representanten Lundteigen: Høyre har aldri saldert sine alternative budsjetter med å ta fra kommunene det vi reduserer i formuesskatt. Det er jo en forutsetning at dette går rett inn statsbudsjettet. Jeg synes at det er en helt underlig argumentasjon. På den annen side registrerer jeg at dette gir Lundteigen og andre anledning til å argumentere friskt for at man må ha eiendomsskatt i stedet, og at vi kanskje til slutt ender opp med begge deler. Jeg vil be representanten Lundteigen om fortsatt å holde flagget høyt når det gjelder gjelder å redusere formuesskatten. Følg Bondelaget i denne saken, Lundteigen! Jeg føler behov for å si et par ord om dette med fast ansettelse og midlertidig ansettelse, siden det har blitt et tema her i dag.

det som skjedde på Småtinget i Alta, gjorde oss urolige for småbedriftene. Det var på bakgrunn av det som skjedde der, og den informasjonen Kristelig Folkeparti fikk der, at vi har firkantede bestemmelser som passer dårlig for de mindre bedriftene. Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringspartiene ikke kan være med på i alle fall å vurdere disse tingene, vi ber bare om at disse tingene blir vurdert. Når det er så firkantet at man bare tenker fast ansettelse, og ikke kan ha en kombinasjon, når det er nødvendig. Nå er debatten i ferd med å bli avsluttet, forhåpentligvis.

sysselsetting, verdiskaping osv. rundt omkring i mange tusen små og mellomstore bedrifter, men også i de store. Jeg tok ordet bare for å understreke et par elementer. Jeg må vel kanskje oppfatte dem som har vært på Småtinget, dit hen at en hører som regel det en vil høre. om å lette vilkårene knyttet til ansettelsesforhold får en definere ut fra hva som var oppspillet til NHO og Småtinget der oppe. Men jeg synes det er litt underlig at den debatten blir så framtredende i denne saken. For det første er til å foreta midlertidige ansettelser for bedrifter i Norge. Det er ganske god anledning til å bruke også innleide tjenester via vikarbyråer osv. Det er ganske god anledning til å teste ut arbeidstakere, om de er kvalifisert til den jobben de skal gjøre, gjennom prøvetider osv. Det er forholdsvis enkelt for en arbeidsgiver å håndtere en arbeidstaker. Men så er det satt noen rammer i lovverket som i et ansettelsesforhold primært skal knyttes til fast ansettelse. Og er det noe som er bedre i et velferdssamfunn enn at arbeidstakere har trygghet for at de har jobb ikke bare i morgen, men uken etter og uken deretter, år etter år, forutsatt at de skjøtter sine oppgaver på en ordentlig måte? De som angriper det, angriper noe grunnleggende for folk, etter min mening. Her føler jeg faktisk at en samlet opposisjon dessverre gjør det. Så til Ja, formuesskatten kan en diskutere. Arveavgiften kan en diskutere. En kan også diskutere eiendomsskatt eller moms, osv. Men resultatet er jo at den skatten er ikke bare noe en tar inn – skal vi si – av kjærlighetshensyn. Det er noe en tar inn fordi en ønsker å produsere noe grunnleggende for befolkningen, enten det er velferd via fellestjenester som skole, eldreomsorg, kulturtilbud, opplevelse eller hva det måtte være. Jeg har i hvert fall ikke hørt noe samklang i denne salen om at en skal fjerne det, samtidig som en fjerner en del av skattegrunnlaget. Og uten at de to tingene klinger sammen, blir det en litt meningsløs debatt det også. Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, minutt. Det er mye ved partiet Høyre som ikke tiltrekker meg. Når det gjelder småbedrifter imidlertid, har partiet Høyre, andre partier og nå Kristelig Folkeparti forslag om å bedre mulighetene for disse. Senterpartiet ser da på forslaget, på saken, ikke på Dersom representanten Flåtten hadde spart seg for noen av sarkasmene, kan det hende at en hadde nådd lenger overfor representantene fra regjeringspartiene i å forbedre vilkårene for småbedriftene. Sjølsagt arbeider Senterpartiet innenfor regjeringa for å bedre resultatene, og vi er svært fornøyde med statsrådens positive omtale av forslagene her, som direkte inviterer til videre samarbeid. Så er det korrekt at Høyre aldri har saldert med kommuneøkonomien når en tar vekk formuesskatten. Poenget til Senterpartiet er imidlertid at bortfall av formuesskatt i alle våre naboland er erstattet med eiendomsskatt. Det bør Høyre tørre å si åpent, dersom en går inn for å ta vekk formuesskatten, at slik gjøres det i andre land. Jeg er enig med representanten Lundteigen i mye. Han er også enig med partiet Høyre, som

land. Jeg er enig med representanten Lundteigen i mye. Han er også enig med partiet Høyre, som han sier. Hvis han virkelig vil gjøre noe innad i regjeringen for norske småbedrifter, så ikke la en enslig representants sarkasmer stenge for det. Dette er altfor viktig til det. Men jeg kommer ikke til å slutte å påpeke at det går sent, at man burde gjort andre ting, og at man burde hatt et mye høyere tempo i dette arbeidet. Så til representanten Aasland, som sier at vi som reiser rundt og lytter til næringslivet, hører det vi vil høre. Det er mulig. Jeg så at representanten Aasland også var i Alta. Jeg har da forstått at også han har hørt det han vil høre. Når det gjelder den debatten som er blitt nokså het her, om brutalisering av arbeidslivet, må jeg understreke at forslaget – det forsiktige forslaget – fra Kristelig Folkeparti var ett av 30 forslag fra Arbeiderpartiet fant grunn til å henge seg opp i, fordi det var det som passet med å fremstille dette som brutalt. Jeg sa i mitt innlegg at jeg syntes det var ufortjent at Kristelig Folkeparti skulle få et slikt stempel på sitt totale forslag. Det kunne man holdt seg for god til. Det kunne også komitélederen gjort. Til slutt nærmest insinuerte han at det er vi som har dratt opp denne debatten spesielt. Det har vi slett ikke gjort. Dette har vært et stort forslag med veldig mange elementer – helt grunnløst å trekke dette spesielt inn. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og sak nr. 17, og saken er dermed avsluttet – med et smil! Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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

Det er en enstemmig komité som legger fram en tilråding, og som for øvrig ikke har noen avvikende merknader, men viser til proposisjonen. Dog må det sies at regjeringspartiene på den ene siden og Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti på den andre har hver sine merknader. Når det gjelder selve saken, har komiteen merket seg at forslaget til lovendringer innebærer en utvidelse av kretsen for hvem som kan avgi skriftlig erklæring på vegne av foretaket vedrørende opplysninger som meldes Videre åpner lovendringene for en lempning i signeringskravene for erklæringer og innrapporteringer til registrene, dersom opplysningene som skal avgis, avgis gjennom Altinn. Dagens gjeldende signaturregler og strenge signaturkrav har i all hovedsak vært videreført uten store endringer siden lov 17. mai Videre har komiteen merket seg at erfaringene ifølge Brønnøysundregistrene er at elektroniske innmeldinger har en lavere feilprosent sammenlignet med innmeldinger som må legges inn manuelt på bakgrunn av papirutgave. Ifølge registrene skyldes dette innebygde kontroller i de skjemaløsningene. Ellers registrerer komiteen at de lovendringer som fremmes i proposisjonen, vil kunne innebære vesentlige administrative og økonomiske besparelser for virksomheter ved å åpne for at flere skal kunne benytte seg av muligheten til å melde inn opplysninger elektronisk istedenfor ellers en fastsatt målsetting at 95 pst. av innmeldinger til Brønnøysundregistrene skal kunne utføres elektronisk. Når en denne målsettingen, vil dette over tid kunne innebære potensielle effektiviseringsgevinster for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret på ca. åtte årsverk. Med dette legger jeg fram komiteens tilråding. Som saksordføraren sa, er

Dette er faktisk ei reell forbetring og forenkling. er at prosentdelen av elektroniske meldingar skal liggja på 95 innan utgangen av 2012. Som vi alle ser, er det ei lita stund til vi har nådd det. Dagens forskriftsfullmakt vert utvida, slik at ho gjeld alle typar meldingar, og alle som er pålagde meldeplikt, kan signera åleine. Eventuelt kan ein delegera til ein fysisk person via administatorrettane i Altinn. Personkretsen som har meldeplikt i Einingsregisteret, For å få einsretta reglar i registreringsregelverket vert kretsen som kan signera både papirmelding og elektroniske meldingar til Einingsregisteret, også utvida tilsvarande. Dette er Når ein les merknadene til Høgre og Framstegspartiet, kan ein tru at det er bortimot umogleg å driva næringsverksemd i Noreg. Eg skal ikkje dra opp debatten som vi hadde i førre debatt, men eg vil likevel påpeika at det at vi er kåra til det åttande beste landet å drive verksemd i, har ikkje alle fått med seg.

Å legge til rette for enklere elektronisk kommunikasjon med det offentlige er dermed et viktig bidrag til forenkling for næringslivet. Det er et mål at elektroniske tjenester fullt ut skal erstatte papir i kommunikasjonen mellom næringslivet og offentlig sektor. Myndighetene har derfor i mange år jobbet aktivt for å utvikle gode elektroniske løsninger for næringslivet. Forslaget er et ledd i regjeringens forenklingsarbeid. Lover og forskrifter skal ikke skape unødvendige administrative kostnader for bedriftene. Myndighetene bidrar på denne måten til at bedriftene frigjør tid. Forslaget som legges fram i proposisjonen, innebærer at reglene om hvem som skal signere meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret gjøres enklere, særlig ved at det er færre som må signere meldingene. Enhetsregisteret og Foretaksregisteret inneholder sentral informasjon om norske næringsdrivende selskaper, og er en viktig informasjonskilde for både offentlige myndigheter og private parter. Begge registrene tilbyr nettbasert registrering av de fleste foretak, og alle innsendte opplysninger lagres elektronisk. Bedriftene har

Den foreslåtte endringen innebærer at terskelen for å bruke elektronisk innrapportering senkes. For foretakene betyr det også en forenkling at de selv kan peke ut den personen som skal signere meldinger på vegne av foretaket. Det er klare forenklingseffekter for næringslivet ved å sende inn meldinger elektronisk framfor på papir. Tall innhentet fra en rapport bestilt av fra en rapport bestilt av Nærings- og handelsdepartementet i oktober 2009, viser at næringslivet i perioden 2006–2009 sparte ca. 80 mill. kr ved å øke bruken av elektroniske meldinger fra 10 til 24 pst. En økning fra dagens 45 pst. elektroniske meldinger til 95 pst. betyr at antallet elektroniske meldinger til registrene økes med 200 000. Dette vil kunne gi betydelige besparelser for næringslivet. Økt elektronisk meldingsinnkomst gir en mer effektiv saksbehandling ved Brønnøysundregistrene. Beregninger viser at en elektronisk meldingsinnkomst på 95 pst. vil kunne gi potensielle besparelser på flere årsverk, som i stedet kunne brukes til å øke innsatsen på andre områder. Økt bruk og bedre kvalitet på registrene vil gi fordeler for næringslivet og andre brukere. De foreslåtte endringene er en i seg selv beskjeden, men like fullt viktig, del av regjeringens arbeid for å forenkle og tilrettelegge for næringslivet. Gledelig er det at vi samtidig legger til rette for en mer effektiv og brukervennlig offentlig sektor. Til slutt vil jeg si at jeg er glad for at komiteen har gitt sin entydige positive innstilling til disse lovendringene, som både vil gi økt bruk av elektroniske meldinger til registrene og effektivisere og forbedre kvaliteten på registrene, samtidig som det betyr forenkling og ressursbesparelser for næringslivet. Flere har ikke bedt om ordet til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

Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for industrien å skaffe seg langsiktig finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Ordningen vil kunne bidra til å skape økt likviditet i markedet for lange kraftavtaler, og vil i et slikt tilfelle være et viktig bidrag for å sikre den kraftintensive industrien langsiktige rammebetingelser, som igjen kan videreutvikle virksomhetene i Norge. Lovforslaget vi nå behandler, innebærer altså en endring i dekningsloven som gjør at avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler gis forrang framfor kraftkjøperens bo, etterfølgende kreditorer og senere rettsstiftelser i kraftkjøperens kontraktsposisjon. Bakgrunnen for lovforslaget er at det etter gjeldende rett er usikkert om en avtale om inntredelsesrett i kraftavtaler vil stå seg overfor konkursboets inntredelsesrett i konkurssituasjonen. konkurssituasjonen. Etter gjeldende rett er det også usikkert om det kan tas pant i de langsiktige kraftavtalene som ønskes inngått i industrien. Det var derfor viktig å få denne lovendringen på plass nå, slik at ordningen blir komplett. I hele dette tiåret har kraft til industrien vært et aktuelt politisk tema. Det har lenge vært jobbet med å finne fram til en løsning som ville avhjelpe situasjonen etter at de statlige kontraktene skulle opphøre som en følge av En avlastende ordning har derfor vært etterspurt. Slik sett ble ordningen som regjeringen presenterte den 14. september 2010, godt mottatt. Norsk Industri karakteriserte i en nettmelding samme dag som garantiordningen ble kjent, at det var gledelig at garantiordningen nå er kommet på plass, og mente at nå var det opp til kraftselskapene og industrien å forhandle. Kraft til konkurransedyktige og stabile priser er en viktig forutsetning, uttalte de videre, for at kraftforedlende industri skal kunne utvikle seg her i landet. Av de 80–90 bedriftene som ordningen nå omfatter, vet vi at det er flere som ønsker og har behov for å gå inn i nye langsiktige kraftavtaler i årene som kommer. Dette henger sammen med utløpet av eksisterende kraftavtaler og mange planer for nye investeringer. investeringer. Investeringer i den kraftintensive industrien har lang horisont. Det betyr at også rammebetingelsene må være langsiktige og også kraftavtalene, noe som må kunne anses å være avgjørende for å tiltrekke seg nye investeringer. Gjennom den garantiordningen som nå kompletteres gjennom denne lovendringen, har partene et instrument for å håndtere i hvert fall motpartsrisikoen, som forbindes med langsiktige kraftavtaler. Det bør innebære at det er større muligheter for å oppnå langsiktige kraftavtaler når ordningen nå er på plass, enn det det var tidligere. Men samtidig vil jeg understreke at det, etter mitt skjønn, påhviler kraftselger et særlig ansvar for å inngå langsiktige kraftkontrakter med industrien. Men samtidig må industrien ta et selvstendig ansvar for å ville få på plass slike avtaler, og mye er nå lagt på plass. Fases den kraftforedlende industrien ut, vil jo det gi store forbruksendringer i det nasjonale kraftforbruket. Etter mitt skjønn er dette særdeles uheldig og ikke ønskelig. Derfor har partene nå et ansvar for å bruke dette verktøyet for å prøve å finne fram til langsiktige løsninger som begge parter kan leve med. Jeg har lyst til å understreke at vi har nå forventninger til at industrien, når den nå – forhåpentligvis – inngår kraftavtaler ved hjelp av den statlige garantiordningen, blir tilbudt betingelser som reflekterer at garantiordningen gir en betydelig reduksjon i selgers risiko ved å inngå langsiktige kontrakter. At dette avspeiles både i vilje og pris, bør man kunne forvente, likeledes at langsiktige avtaler og eventuell forskuddsbetaling gir selgerne større frihet til å realisere sine investeringsplaner, ved at forskuddsbetaling styrker likviditeten til kraftselger. Det bør også være motiverende. Jeg håper at vi i tiden som kommer, kan se at dette avspeiles gjennom kraftavtaler som blir inngått. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi nå kan komplettere ordningen, og skal – siden det allerede er sent på kveld – avstå fra å kommentere mindretallets merknader i denne saken. Innledningsvis vil jeg vise til det representanten Terje Aasland nå la fram, og slutter meg til de hovedtrekkene han kom med. Senterpartiet er

saken. Innledningsvis vil jeg vise til det representanten Terje Aasland nå la fram, og slutter meg til de hovedtrekkene han kom med. Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for kraftkrevende industri, og vi er tilfreds med at vi nå får etablert helhetlige og gode rammer for en garantiordning for langsiktige kraftavtaler med industrien. Jeg vil understreke betydningen av at formålet med garantiordningen, samt lovforslaget, er å gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Dette vil kunne skape økt likviditet i markedet for langsiktige kraftavtaler og vil være et viktig bidrag for å sikre at den kraftintensive industrien videreutvikler sine virksomheter i Norge. Jeg har over tid hatt som er svært opptatt av denne saken. Blant disse er Finnfjord i Troms og Norske Skog i Nord-Trøndelag. Dette er en sak som har et stort engasjement i industrien. i industrien. En rekke industribedrifter ønsker å inngå nye langsiktige kraftavtaler i årene som kommer. Dette henger sammen med utløpet av eksisterende kraftavtaler og planer for nyinvesteringer. Investeringer i den kraftintensive industrien har gjerne en horisont på 20–40 år, og langsiktige kraftavtaler vil være avgjørende for nye investeringer. Gjennom garantiordningen gis partene et instrument for å håndtere den motpartsrisikoen som forbindes med langsiktige kraftavtaler. Etableringen av garantiordningen har til hensikt å gi tilfredsstillende risikoavlastning for kraftselger. I den forbindelse vil jeg særlig understreke at det også bør påhvile kraftselger et særlig ansvar for å inngå langsiktige kraftkontrakter med industrien, bl.a. for å unngå vesentlige endringer i det nasjonale kraftforbruket over tid. tid. Med det rammeverket som nå er lagt på plass, håper jeg at industrien lykkes i å forhandle fram langsiktige kraftkontrakter, som vil bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk industri. Den saka som vi behandlar her i dag, er Den saka som vi behandlar her i dag, er eit lite, men viktig element i eit større arbeid for å sikre norsk kraftforedlande industri langsiktige, føreseielege og gode kraftkontraktar. No har sakas ordførar gått inn i detaljane rundt akkurat det som gjeld desse kraftkontraktane. Eg har lyst til å ta ein litt annan innfallsvinkel og vil peike på at norsk kraftkrevjande industri er eit veldig viktig element i norsk industriutvikling, i norsk industris evne til å omstille seg. For berre å ta eitt eksempel på kraftkrevjande industri vil eg vise til Elkem, som har klart å gå frå ein bulkproduksjon i ein lågkostmarknad til å produsere solcellesilisium i ein høgprismarknad. Det viser at det er ein industri som norsk næringsliv verkeleg treng, ein industri som bruker teknologi til å omstille seg, til innovasjon og til å kome inn på nye marknader, som står i forhold til den konkurransesituasjonen som norsk industri står overfor. Det er også viktig å merke seg at det er fornuftig å produsere kraftkrevjande produkt i eit land som har fornybar energi. For å seie det litt enkelt: Då kan vi produsere aluminium og eksportere fornybar energi i fast form, i staden for å eksportere energi på kabel. Det kan ofte vere mindre energitap å produsere energien over i fast form, f.eks. i aluminium og eksportere aluminium, enn ved å eksportere energien på kabel. Så den situasjonen at vi i Noreg har ein industri som er konkurransedyktig miljømessig og på annan måte, og samtidig bruker fornybar kraft, er eit fortrinn som vi må ta vare på. Det er ein ting her som det også er viktig å vere klar over, at leverandørane av kraft i Noreg er avhengige av den kraftforedlande industrien for at dei skal få avsetnad for krafta si. Det er ein så stor del av den norske elkraftproduksjonen som i dag går til kraftkrevjande industri, at om den skulle falle bort, så ville botnen falle ut av marknaden. Det er også ein situasjon som leverandørane av elkraft må

kraftprodusentane og kraftleverandørane eit stort ansvar for å bidra til at vi får stabile kraftkontraktar som gjer at vi kan behalde ein konkurransedyktig og miljøvenleg metallindustri i Noreg. For Kristelig Folkeparti er Kristelig Folkeparti er det viktig at forslaget vi behandler i dag, vil gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Dette vil kunne øke likviditeten i markedet for langsiktige kraftavtaler og vil være et viktig bidrag til å sikre at den kraftintensive industrien videreutvikler sine virksomheter her i Norge. Men dette forslaget løser ikke hele problemkomplekset. Endringene i dekningsloven er bare en av rammebetingelsene som må være på plass før man kan få til en garantiordning. Den andre viktige betingelsen, nemlig notifisering og godkjennelse av ESA, må også komme på plass. Kristelig Folkeparti støtter lovendringsforslaget, men konstaterer

det som ble lovet før siste valg. Testen på hvilken effekt denne garantiordningen vil få, er om industrien nå finner grunnlag for en langsiktig satsing på produksjon og investeringer i Norge. I valgkampen i 2005 reiste de rød-grønne land og strand rundt med løfter de burde vite de ikke kunne holde. Stoltenberg ga industrien falske forventninger. I valgkampen før stortingsvalget i 2005 var industrikraft et yndet debattema, og rød-grønne løfter om et nytt industrikraftregime var mange og svært sterke. Også Jens Stoltenberg lovet kraft «til under markedspris». Dette skapte forventninger hos industrien. Ikke overraskende viste det seg på nytt at EØS-avtalen ikke gir rom for myndighetsbestemte kraftkontrakter. Dette var gammelt nytt for dem som kjenner saken. Regjeringene Bondevik I og II og regjeringen Stoltenberg I hadde kommet til samme konklusjon tidligere. Denne kunnskapen må de rød-grønne bevisst ha glemt da de reiste rundt med dette budskapet. budskapet. Jeg besøkte nylig sementfabrikken til Norcem i Brevik. Der var budskapet krystallklart: Et industrikraftregime som gir sikker og langsiktig tilgang til kraft til konkurransedyktige betingelser, er helt avgjørende for nok. Kristelig Folkeparti mener en økt satsing på forskning, innovasjon og god offentlig infrastruktur er sentrale suksesskriterier for et verdiskapende næringsliv som skal bære kostnadene for kommende generasjoner. Men vi vet at billig kraft er en helt avgjørende faktor for at Norge som høykostland kan konkurrere med industri i lavkostland, også i fremtiden. Jeg er glad for fremtiden. Jeg er glad for at en samlet næringskomité støtter lovforslaget om å gi rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler. Lovendringen vil gi garantistillere i langsiktige kraftavtaler inntredelsesrett foran konkursboet i en konkurssituasjon. Forslaget er et viktig element for at garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp skal bli et effektivt virkemiddel. Forslaget vil gjøre det lettere for kraftintensiv industri å skaffe seg finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Stortinget vedtok 8. desember 2009 regjeringens forslag om at det skal etableres en garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft. Ordningen skal forvaltes av Garanti-instituttet for eksportkreditt og er gitt en ramme på

Formålet med garantiordningen og lovforslaget er å gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Dette vil kunne skape økt likviditet i markedet for langsiktige kraftavtaler og vil dermed være et viktig bidrag til å sikre at den kraftintensive industrien videreutvikler sine virksomheter i Norge. Regjeringen foreslår at garantistiller gjennom en avtale om inntredelsesrett må være forpliktet til å gi fra seg merverdien i kraftavtalen til kjøperen, kjøperens bo eller innehavere av andre rettigheter Forslaget imøtekommer hensynet til konkursboets rolle i omstrukturering av virksomheter, herunder ønsket om å kunne sikre videre drift av industrivirksomheter. På denne måten balanseres garantistillerens behov for sikkerhet og boets interesser på en god måte. Garantiordningen skal gjelde for virksomheter registrert innenfor Statistisk sentralbyrås 21, 24 og 27. Dette omfatter virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller. Den gjeldende standarden for næringsgruppering endres imidlertid fra tid til annen. Både Statistisk sentralbyrå og Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene har nå tatt i bruk SN2007 som Jeg legger opp til at det utarbeides en forskrift til dekningsloven § 7-14 om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler som regulerer overgangen fra næringskodene i SN2002 til SN2007. Næringskodene som vil gjelde i forskriften til dekningsloven § 7-14, vil selvfølgelig også gjelde for garantiordningen. Jeg har merket meg at mindretallet i næringskomiteen, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, mener at regjeringen ikke har levert når det gjelder å gi industrien Det er jeg ikke enig i. Jeg mener at regjeringen har levert omfattende tiltak for å styrke industriens krafttilgang. Jeg har allerede nevnt garantiordningen. Det er også satt i gang flere tiltak som sikrer kraftbalansen og utbygging av ny kraft. I perioden 2006–2009 er det satt i produksjon om lag 3,5 TWh vind- og vannkraft og gitt konsesjon til om lag 6 TWh. Det er også planer om videre utbygging, bl.a. gjennom satsing på fornybar energi gjennom et felles elsertifikatmarked med Sverige. Sverige. Oppstart av et felles elsertifikatmarked for Norge og Sverige fra 1. januar 2012 vil innebære en storstilt utbygging av fornybar energi fram til 2020. Totalt kommer det nye elsertifikatsystemet til å gi 26,4 TWh fra 2012 til 2020, fordelt på 13,2 TWh i hvert land. Det er en produksjon som tilsvarer om lag åtte store gasskraftverk. Det gis støtte til energieffektivisering i industrien. Siden 2001 har Enova inngått kontrakter for nær 14 TWh innenfor fornybar energi og energieffektivisering. En tredjedel av dette resultatet har kommet gjennom Enovas programmer rettet mot industrien. Til sammen har industrien fått en støtte på rundt 1 mrd. kr. Under Nærings- og handelsdepartementet er det etablert en støtteordning for bedrifter i innkjøpskonsortier for kraft. Den kom på plass allerede i forbindelse med 2009-budsjettet og forvaltes av Innovasjon Norge. Jeg vil også minne om at regjeringen i nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 har fremmet forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft med hele 14 mrd. kr. Formålet er å legge til rette for at Statkraft kan realisere en investeringsplan på om lag 82 mrd. kr, som gjør at selskapet kan gjennomføre framtidsrettede investeringer innenfor vann- og vindkraft og fjernvarme. fjernvarme. Denne regjeringen har satset på å gi industrien sikker tilgang til kraft til akseptable priser. Jeg tror jeg har et samlet storting bak meg når jeg sier at dette er et område som må ha høy prioritet. Støtten fra en samlet næringskomité til dette lovforslaget er et betydningsfullt bidrag i dette arbeidet. Det blir replikkordskifte.

Når det gjelder lovteksten og lovparagrafene, så er vi enige om det. Det er enstemmig. Representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har imidlertid en kritisk merknad i innstillingen knyttet til de lovnadene som ble gitt i valgkampen. Da skal jeg stille et konkret spørsmål til statsråden, for statsråden var inne på denne merknaden selv. Statsministeren lovet under valgkampen i 2005 at man skulle skaffe den Statsministeren lovet under valgkampen i 2005 at man skulle skaffe den kraftkrevende industrien elkraft til under markedspris. Mitt spørsmål til statsråden er da følgende: Har man nå gitt den kraftkrevende industrien tilgang på elkraft til under

slik at vi tror at dette vil være en bedre måte å inngå kontrakt på enn om industrien skulle kjøpe kraften sin på spotmarkedet. Slik sett kan en si at det gir industrien en bedre pris enn det den ville ha fått på et fritt og åpent
er ingen som har sendt den kraftkrevende industrien ut på spotmarkedet. Spotmarkedet er bare en del av en rekke forskjellige typer produkter som man får kjøpe fra de forskjellige leverandørene. Man har bl.a. fastpris med påslag etc., en rekke forskjellige

markedspris? Det er faktisk nå da krafttilbyderne og kjøperne som skal forhandle fram sine langsiktige kontrakter på bakgrunn av dette. Det er ikke staten som forhandler, det er det aktørene i markedet som gjør. Men dette systemet vil gjøre at kjøperne får en garantiordning i ryggen som gjør at man står sterkere i de forhandlingene. Så jeg tror det er svar godt nok. Dette vil gjøre at industrien får bedre kontrakter enn de ellers ville ha fått. Det må vel være hovedsaken. Jeg er litt usikker på hva representanten egentlig er ute etter svaret på. svaret på. Jeg synes det var greit i den forrige replikken å få avklart at man faktisk ikke hadde levert – i hvert fall ikke i forhold til valgløftene. Jeg vil spørre om en av flertallets merknader, for flertallet peker i en merknad på at «garantiordningen har til hensikt å gi tilfredsstillende risikoavlastning for kraftselger», og det er jo det vi snakker om. Men så skrives det: «I den forbindelse bør det også påhvile kraftselger et særlig ansvar for å inngå langsiktige kraftkontrakter til industrien, blant annet for å unngå vesentlige endringer i det nasjonale kraftforbruket over tid.» Det skal altså «påhvile kraftselger et særlig ansvar». Dette er jo en flertallsmerknad. Tenker statsråden på å følge opp den merknaden på noe vis, i f.eks. forskrifter, forslag om lov, pålegg til bedriftene osv., for hvis ikke er den vel egentlig uten noen virkning?

opposisjonspartiene eller om det er regjeringspartiene som står bak dem, så lenge de har flertall. Det gjør vi alltid etter beste evne. Et annet svar fra en statsråd ville vært usedvanlig uklokt. Så får man se i hvert enkelt tilfelle hvor implementerbare de ulike merknadene er. ulike merknadene er. Men jeg tror at langsiktige kontrakter for industrien er en vesentlig faktor for å opprettholde kraftbalansen i Norge. Jeg tror også kraftselgere har fordeler av at man har slike kontrakter i bunn i sine salg, med langsiktige, trygge og sikre inntekter. Sånn sett er dette et vesentlig bidrag

Eg er heilt samd i saksordføraren si framifrå framstilling, og når eg tek ordet i denne saka, er det berre for å seia at eg er veldig fornøgd med at vi har fått denne brikka på plass når det gjeld industrikraftregime. Det gjer fantastisk godt. Det kan eg trygt seia som kjenner industrisamfunnet i Høyanger. Det er veldig viktig for den raud-grøne regjeringa å levera på det som Norsk Industri sa at dei måtte ha, og det som i alle fall eg gjekk rundt og lova i valkampen. Så registrerer eg at Høgre og Framstegspartiet i merknads form er misfornøgde med regjeringa sin innsats på dette feltet òg. Det er på ingen måte overraskande. Sjølv om det eg seier no, kanskje er å tråkka på ei øm tå, så må det vera frykteleg irriterande når det kjem ei ny regjering, som tek opp att tråden, og som ikkje gjev opp, så må det vera frykteleg irriterande når det kjem ei ny regjering, som tek opp att tråden, og som ikkje gjev opp, og som ikkje meiner at dette er ein solnedgangsindustri. Tvert om: Ein får på plass brikke etter brikke i eit nytt industrikraftregime etter modell frå det Norsk Industri sa at dei ville ha. Denne lovendringa må sjåast i samanheng med etableringa av ei ny garantiordning under GIEK og er eit tiltak for at krafttilbydar. Eg synest det er veldig bra. Heldigvis har vi raud-grøne stått som nokre pålar når det gjeld heimfall og at vatnressursane tilhøyrer det norske folk. Eg ser ikkje bort frå at nettopp dette kan verta endra viss vi får eit anna fleirtal i denne salen. Det bør det norske folk merka seg. forventningane, som er store til at det no faktisk vert inngått nye, langsiktige kraftavtalar. Signala er mange, og dei er sterke, og dei bør verta lagde merke til. Jeg ville nok blitt mer overrasket om representanten

I forbindelse med teksten fra flertallet der det står at det påhviler «kraftselger et særlig ansvar», så står det også noe mer. Det står også «blant annet for å unngå vesentlige endringer i det nasjonale kraftforbruket over tid». Da begynner man å komme inn på enkeltelementer i dette som jeg finner grunn til å stille spørsmål til statsråden om – om det er denne måten man fra industrien der man har knapphet, f.eks. i Midt-Norge? Eller hvordan har man tenkt å gjøre det? I den forbindelse kan det være grunn til å stille et spørsmål. Den største aktøren i det norske markedet er jo Statkraft. Statkraft er som sagt et heleid offentlig selskap som sorterer under næringsministeren. Da er spørsmålet: Mener flertallskonstellasjonen at statsråden skal bruke sin makt på generalforsamlingen til Statkraft til å tvinge dem til å inngå kontrakter som de ikke nødvendigvis har hatt ønske om å gå inn i? Det er nesten sånn man må kunne lese dette – at statsråden nærmest får et «go» fra sine egne her i salen

Så jeg tror nok at man må se litt forskjellig på dette. Det som mindretallets merknad dreier seg om, er forskjellen mellom det man har lovet, og det som man leverer. Det er ikke verre enn det. Statsministeren lovte i valgkampen 2005. Det er mulig representanten Heggø ikke har lovet det, og at det bare er statsministeren som har gjort det – men jeg har også hørt andre – man lovte elkraft som skulle ligge under markedspris. Det har ikke skjedd. Prisen er den samme, men man skal kunne få en garanti for å kunne inngå en langsiktig kontrakt. Det er veldig bra, og det er et enstemmig storting som støtter opp om det. Men det vi påpeker, er at det er en vesentlig forskjell mellom hva som opprinnelig ble lovet, og hva som er

Det er ikke sånn at man faser det ut og inn etter eget forgodtbefinnende, men det er ganske planlagte mønstre for det. I ting som blir realisert gjennom det, at man kan fase ut industrien i visse tilfeller hvor man har behov for ekstra kraft, og bl.a. er det også gitt anledning til det gjennom de sakstiltakene som Statnett kan forvalte i forhold til å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet. Så det er ikke helt uvesentlig det poenget som er omtalt i innstillingen fra flertallet i den sammenhengen. Det er ønskelig sett fra flertallet at den forutsetningen ligger der over tid. Derfor anstrenger vi oss også for å få på plass en ordning som gjør at man får bort noe av den risikoen som kraftselgere har uttalt i forhold til å binde seg til langsiktige avtaler i industrien. Både det som det nå legges opp til gjennom forskuddsbetaling og garantiordninger og eventuelle skatteposisjoner av det, bør tilfalle et formål, nettopp at en får inngått flere avtaler enn det som har vært tilfellet fram til nå. Så tror jeg at vi i denne sammenheng skal unnlate å diskutere forholdet mellom 2 øre over eller 2 øre under markedspris. Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved hva som er markedspris ut fra en vare som i utgangspunktet kanskje har en produksjonskostnad på 2 øre, og hvor markedet er særdeles svingende. Jeg tror ikke det tjener hensikten. Utgangspunktet er at man må få en ordning som avhjelper partene med hensyn til å inngå avtaler, og det er det man har sagt at man har fått på plass gjennom den ordningen som nå er etablert. Jeg tror kanskje ikke det avfeier enhver diskusjon i tiden framover, men det er i hvert fall et av flere viktige tiltak for å sikre den kraftforedlende industrien i Norge i tiden framover. Av statsrådens svar på replikkene fra representanten framover. Av statsrådens svar på replikkene fra representanten Nesvik gikk det jo ganske klart frem at man ikke hadde levert på de løftene som ble gitt om å levere kraft til under markedspris, som man ga i valgkampen i 2005. Derfor forundrer det meg når komiteens leder nå begynner å sette spørsmålstegn ved begrepet «markedspris». Det vet man egentlig ikke riktig hva er. Det er et litt diffust begrep. Det kan være litt opp, litt ned. Når det gjaldt hans oppklaring rundt denne flertallsmerknaden – som jeg forsto at statsråden egentlig toet sine hender i forhold til, det må han jo gjerne gjøre, det blir jo opp til flertallet å trykke på dette – fikk jeg ingen forståelse av hvordan man skulle trykke på kraftselger for å gi ham «et særlig ansvar» for å inngå langsiktige kraftkontrakter til industrien gjennom denne lovendringen, som vi er enige om, som er en dekningsgarantilov, som gjør at blir kvitt motpartsansvaret, i hvert fall får minimert det. Vi er helt enige om det. Det er helt glimrende, men jeg kan ikke forstå at denne flertallsmerknaden ble noe særlig godt forklart av representanten Aasland. Så har jeg lyst til å si det samme til representanten Heggø. Jeg går ut fra at også hun hørte statsråden si at man ikke hadde levert på det man lovte i valgkampen. Så har man gjort en rekke andre ting, ja, men det hører jo for så vidt ikke til saken her. Men det er jo helt naturlig å snakke om hva som ble lovet i valgkampen – og det å skremme med at hvis det hadde vært et annet flertall, så hadde det vært sånn eller slik, faller på sin egen urimelighet. Vi står egentlig igjen med at vi er enige om denne lovendringen som vi vedtar. Det synes jeg er helt greit, men å tillegge dette noe mer gjennom merknader er faktisk litt alvorlig. Statsråden sier på den ene siden at han implementerer det han kan få implementert, slik jeg forsto det, mens flertallet ikke riktig kan få forklart hva de mener med det, og hvordan de har tenkt å gå videre med det. Da blir det ganske vanskelig for kraftselgerne, som skal lese referatene fra denne debatten, å vite hvordan de skal forholde seg. Jeg har aldri vært i Nord-Korea, og etter innlegget til representanten seg. Jeg har aldri vært i Nord-Korea, og etter innlegget til representanten Heggø kom jeg til å tenke på at jeg antakelig ikke trenger å reise dit. Det var fantastisk elskelig. Men så til saken. Når det gjelder mindretallsmerknadene her – det er mulig statsråden var inne på det, men jeg klarte ikke å få det med meg – stiller jeg et spørsmål. Det sies i merknaden at vi har fått den ene delen på plass, og så setter man et spørsmålstegn ved hvordan det går med notifisering og godkjennelse av ESA. Jeg vil

at vi har en grunnlast som industrien representerer? Det spørsmålet ignorerer jo Høyre og Fremskrittspartiet i denne debatten nå. Det er faktisk det vi påpeker, og det som er vesentlig i forhold til hvordan man har konstruert norsk kraftforsyning, er at det ligger mellom 35 og 40 TWh som er industrirettet som en stabil grunnlast. Det er det norsk kraftforsyning er konstruert opp om, og at vi er opptatt av

uvesentlig. Jeg fikk et konkret spørsmål om hvordan det går med ESA-godkjenningen. Vi har meldt dette inn til ESA etter vanlig prosedyre. Vi har fått en del oppfølgingsspørsmål om mer detaljer og systemer i ordningen. Vi håper at ESA vil finne at dette er i overensstemmelse at det ikke innebærer statsstøtte, men at det er en måte å organisere dette på som er akseptabel. Jeg må jo også si at i den debatten som var i 2005 – den husker jeg godt – var egentlig problemstillingen om det var mulig å gjøre eller om det ikke var mulig å gjøre noe. Da var argumentet fra den den gang sittende regjering at i og med at vi nå var en del av EØS-systemet, var det ingen virkemidler igjen. Verktøykassa var tom. Det vi har funnet, er at det faktisk er mulig å gjøre noe. Denne garantiordningen er et eksempel på det. Det tror vi vil bidra til at industrien får gode og langsiktige kontrakter på akseptable vilkår. slår det meg at det vi diskuterer i denne salen, er litt fjernt fra den virkeligheten som mange rundt omkring i Norge faktisk opplever. Jeg har stor respekt for stortingssalen. Jeg har tilbrakt mine beste år her. Men det er jo noen av disse kontraktene som faktisk framforhandles mellom industrien og kraftleverandørene, som vil være fasiten på den diskusjonen som er her. Vi trenger verken representanten Nesvik eller Flåtten til å stå her og slå fast at dette er mislykket. Aktørene selv vil bevise om det er vellykket eller mislykket. Nå har vi gjort vårt. Vi har jobbet hardt for å finne en ordning i balanse, i skjæringspunktet mellom hva EØS-regelverket tillater oss, og hva vi ønsker å oppnå for vår industri, med den fantastiske muligheten vi har til å produsere ting på en miljøvennlig måte med vår vannkraftsforsyning. Vi tror at dette er en slik ordning, som både innfrir de kravene som et internasjonalt regelverk setter til oss, og samtidig oppfyller de ambisjonene vi har om å legge langsiktig til rette for en fortsatt industriutvikling i Norge. Jeg registrerer at noen har behov for å si at dette slett ikke er en slik tilrettelegging. Jeg håper og tror at hele Stortinget faktisk håper at dette legger til rette for vår industri, for det målet må vi i det minste være enige om. Jeg tror jeg må minne statsråden om at det er enige om. Jeg tror jeg må minne statsråden om at det er en enstemmig komité som støtter opp om selve forslaget til endringer i dekningsloven. Det er ikke slik at det er henholdsvis et flertall og et mindretall som har tro på dette eller

Det man diskuterte den gangen, var hvorvidt det var mulig å gi industrien særfordeler gjennom en lavere pris eller ikke. Det var det man diskuterte når det gjaldt langsiktige kontrakter. Det var ikke denne sakens dekningsgarantilov man da debatterte. Ja, la oss nå alle håpe at dette er et av virkemidlene – og jeg tror det kan være et virkemiddel – som vil hjelpe mange bedrifter. Men det som mindretallet har vist til,

hvorvidt man skal ha en grunnlast i systemet eller ikke. Det man stiller spørsmål om fra mindretallets side, er hva flertallet mener med sin merknad om at det påhviler kraftselgere et særlig ansvar, og ikke minst hvordan man faktisk har tenkt å følge det opp, fordi staten sitter som eneeier i den største produsenten, Statkraft. Det er den usikkerheten vi viser til, og det er det vi ikke har fått noe svar på. Men det er en enstemmig komité som Men det er en enstemmig komité som stemmer for regjeringens forslag. La det ikke være noen tvil om det! Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17, og saken er dermed avsluttet – med et smil! Etter ønske fra næringskomiteen om det! Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17, og saken er dermed avsluttet – med et smil! Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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
vedtatt. Først vil jeg få lov til å gi honnør til forslagsstillerne, som har satt søkelyset på den viktige rollen som frivillig sektor spiller i det norske Legger man godviljen til, kan man forstå komiteen slik at også regjeringspartiene er enige om intensjonene bak forslaget, men der stopper også enigheten og ikke minst viljen til å foreta seg noe konkret. Det viser også forslagene som fremmes. Jeg vil kort begrunne Høyres to forslag, som vi fremmer sammen med Fremskrittspartiet. Så antar jeg at de andre partiene vil redegjøre for sine. Høyre mener det er svært kritikkverdig at regjeringen Stoltenberg ikke tar på alvor de utfordringene ideelle aktører sliter med.

offentlige aktører er nødvendig. Stabile og mer forutsigbare rammevilkår for ideelle og private institusjoner vil bidra til økt mangfold, økt kvalitet og bedre ressursbruk også i den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Et slikt samarbeid vil gi pasientene raskere helsehjelp og flere valgmuligheter. Høyre støtter forslagsstillerne i at det har gått altfor lang tid uten at noe har skjedd. Det vi kan konstatere, er at stadig flere av disse tilbudene legges ned, og at ventelistene for behandling har eskalert siden Stoltenberg tok over i 2005. Kombinasjonen av regjeringens krav til helseforetakene om først å utnytte og bygge opp egen kapasitet og en anbudspolitikk som i for stor grad ensidig vektlegger pris som kriterier, gjør at svært mange ideelle og private Høyre mener derfor at det haster med å forlenge eksisterende avtaler for både ideelle og private institusjoner i påvente av en politisk avklaring av aktørenes rolle i helse- og omsorgstjenesten. Og vi forventer at det snarest igangsettes arbeid som kan løse de akutte problemstillingene som ideelle og nonprofitbaserte institusjoner møter, slik et samlet storting også Kathrine Evensen har skapt 57 arbeidsplasser innen eldreomsorg. De jobber alle med å stelle for gamle og syke og gi omsorg til sine medmennesker. Kathrine Evensen har stilt følgende spørsmål til statsministeren: Hvorfor mener Jens Stoltenberg at ansatte i privat sektor er mindre omsorgsfulle enn de i offentlig sektor? Hvorfor mener Jens Stoltenberg at eldre og uføre ikke er i stand til å ta selvstendige valg om egen velferd? Hvorfor er det viktigere for regjeringen at velferden er offentlig enn at den er god? For meg og Høyre er det uforståelig at Kathrine og hennes ansatte fremstilles som en trussel mot velferden og den norske modellen. Det er uforståelig at hennes ansatte, med sin omsorg for andre, fremstilles som fienden i Helse-Norge av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Daglig ser vi at regjeringen Stoltenbergs politikk fører til at gode velferdstilbud som drives av private aktører, legges ned, og at det rammer eldre, barnevernsbarn, kronisk syke og pasienter som trenger helsehjelp og rehabilitering. De borgerlige partiene står sammen om et forslag om å styrke rammebetingelsene for samarbeid mellom alle private aktører og det offentlige, for å gi brukerne et godt velferdstilbud. For Høyre er samarbeidet mellom offentlige myndigheter, private og ideelle aktører en styrke for fellesskapet – ikke en trussel. For Høyre er det viktig at gode tilbud i ideelle og private institusjoner blir tilgjengelige for alle for statens regning, og ikke forbeholdt kun noen få med god økonomi, slik regjeringen Stoltenberg Jeg vil få lov til å ta opp forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Representanten Elisabeth Røbekk Nørve har tatt opp de forslagene hun refererte

og mange ville hatt en livssituasjon hvor livskvaliteten ville vært mye dårligere. Disse ideelle organisasjonene bidrar til mangfold, kvalitet og god ressursutnyttelse. Det er ledig kapasitet mange steder, men ut fra et politisk og ideologisk syn vil man enkelte steder ikke kjøpe tjenester fra private. Dette er svært synd, da det ellers ville gjort mange flere friske samt også forkortet ventetiden for mange. Det ville dessuten gitt mange stabile arbeidsplasser ute i distriktene, da nettopp mange av dem holder til her. Bruk av disse stedene vil også gi den enkelte bruker frihet til å kunne velge hvor man vil bli behandlet. Man får også ofte større trygghet, da plassene er samt at stedene ofte er mindre av størrelse enn de offentlige, og man føler seg da ikke så liten som man ville gjort på en stor offentlig institusjon. Nyere undersøkelser viser også at folk er blitt mer positive til at tjenester som det

byråkratiske og upraktiske løsninger. Derfor sier Arbeiderpartiet nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende velferdstjenester.» Dette er jo ikke det folk ønsker – heller ikke flertallet av dem som stemmer på Arbeiderpartiet. Dette til orientering. Det er svært synd at arbeidet på dette området tar så lang tid. Et samlet storting har ønsket at det igangsettes et arbeid nettopp med dette.

rammevilkår. For at disse stedene ikke skal forsvinne eller måtte redusere sitt tilbud, burde det være i alles interesse, også regjeringspartienes, at saken så raskt som mulig får en positiv løsning – dette til glede for både brukerne og tilbyderne. Fremskrittspartiet mener at samfunnet er tjent med at det offentlige samarbeider med det private. Disse kan utfylle hverandre på mange måter, og ved at de konkurrerer på en positiv måte om brukerne, vil dette gjøre begge sterkere og heve kvaliteten på det produktet man har. Man kan dra veksler på hverandre og dermed vil også de midler samfunnet bruker på dette området, bli maksimalt brukt på en god måte. Ellers er det riktig å vise til det forslaget Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti hadde, som het Dokument 8:68 S for 2009–2010, på dette fagområdet. Når man registrerer at køene i forskjellige helserelaterte saker øker, burde det også være i statens interesse med et konstruktivt samarbeid. Hvem som utfører tjenestene, burde være uinteressant så lenge staten setter kravspesifikasjoner og pris på tjenesten. Det at forslagene til Fremskrittspartiet og Høyre mest sannsynlig ikke får flertall i kveld, er svært synd. Det legger et som de både bør og må ordne opp i, for det er mange som trenger forskjellig type hjelp – og det nå. Jeg er svært glad for at Kristelig Folkeparti har fremmet dette forslaget. Det gir oss en meget god anledning til å foreta noen politiske avklaringer i Stortinget med tanke på offentlige innkjøp. Samspillet mellom offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å tilby befolkningen gode tjenester har lang tradisjon og underbygger en robusthet i den norske velferdsmodellen. Gjennom behandlingen av forslaget har det etter mitt skjønn kommet fram to hovedtrekk. Det første er at loven om offentlige anskaffelser gir et tilstrekkelig handlingsrom for å ivareta politiske målsettinger som settes i forbindelse med denne type kjøp. Og punkt to er at anbudsrutiner og føringer for innkjøp ikke i tilstrekkelig grad er avstemt etter politiske målsettinger. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er enige om å ville videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å bedre tjenestetilbudet til befolkningen. Det understrekes sågar fra disse partiene i innstillingen at ideelle organisasjoner er et godt supplement til de offentlige tjenestene og viktige samarbeidspartnere med bl.a. mye spesialkompetanse. Med et økende behov for pleie- og omsorgstjenester – og økende krav til kvalitet og innhold – vil også behovet for en samhandling med ideelle og frivillige organisasjoner være økende i årene som kommer. Det som er et faktum, og som kommer veldig tydelig fram i innstillingen, er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil være med på å legge ideelle organisasjoner inn i en slik ramme. Målet med helse- og omsorgspolitikken er jo at alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, og likeledes, når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får et tilbud. Flertallet slår i innstillingen fast at dette er de viktigste føringene som må legges til grunn for offentlige innkjøp av helsetjenester til befolkningen. Jeg vil da understreke betydningen av følgende: For å oppnå dette målet må også ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen, underlegges stabile og forutsigbare avtalevilkår innenfor den avtalestrukturen vi har. La meg legge til at vi ikke er imot private aktører, men vi vil ikke la rene kommersielle foretak bli løftet fram i denne saken. Høyre og Fremskrittspartiet legger opp til nettopp det ved å foreslå et forsterket marked. Jeg kan referere fra innstillingen, hvor Høyre og kan referere fra innstillingen, hvor Høyre og Fremskrittspartiet skriver veldig tydelig: «Det er derfor ønskelig å sikre et mangfold av private helse- og omsorgstilbud, slik at flere kan benytte disse for statens regning.» Fokuset er altså borte fra ideelle organisasjoner i Høyres og Fremskrittspartiets merknader, etter min oppfatning. Skal man oppfylle den retningen i utviklingen av helse- og velferdstilbudet, vil dette utvilsomt gå på bekostning av ideell sektor, og vi vil utvilsomt få en utvikling der de rene kommersielle interessene får mer plass enn i dagens system. Slik vi ser det, er en slik utvikling ikke Det er med andre ord en vesentlig forskjell på det å forsterke de kommersielle mulighetene og det å ramme inn velferdstilbudet innenfor en bærende og sterk offentlig sektor og et mangfold av ideelle organisasjoner og stiftelser, slik flertallet gjør – faktisk – i denne innstillingen. Offentlige innkjøp har stor betydning, og vi mener dette området i langt større grad enn nå må sikres politisk styring for å ivareta behovet for gode og riktige innkjøp gjennom klare innkjøpsstrategier. Vi forutsetter derfor at regjeringen legger til rette for at samspillet mellom offentlig og frivillig sektor bygger på mest mulig langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Det vil bety at innkjøpsprosessene må legges opp slik at brukernes behov for stabilitet og gode tjenester blir ivaretatt. ivaretatt. Kommersialiseringen, som man nå har en viss følelse av har fått en noe dominerende plass, må vurderes. Det understrekes derfor i innstillingen at for mange av tjenestene som utføres innenfor helse- og omsorgsområdet, bør offentlige oppdragsgivere nå legge mer vekt på kvalitet enn på pris når de kjøper tjenestene. Når forslagene som Kristelig Folkeparti fremmer, er hovedbegrunnelsen vår at dagens lovgivning gir et tilstrekkelig handlingsrom for å imøtekomme intensjonene i det som innstillingen og forslagene tar opp i seg. Det er viktig for Stortinget å stadfeste nettopp det forhold at loven om offentlige anskaffelser har tilstrekkelig handlingsrom, og at dette markeres ved at forslaget vedlegges protokollen. Når det er sagt, er det viktig for meg å understreke betydningen av at innkjøperen på en tilstrekkelig måte nå får så klare føringer på hvordan innkjøpene skal forløpe, at man oppnår de politiske målsettingene et klart flertall legger til grunn i denne saken.
Neste taler er representanten
saken. Jeg tror ikke en eneste av de private aktørene – verken ideelle eller andre private aktører – lenger lar seg berolige av godt snakk fra de rød-grønne partiene. Igjen ser man et forslag der innstillingen er preget av festtaler og godt snakk, men der handlingen totalt uteblir, slik det har vært i fem år. Hovedutfordringen knyttet til de private aktørene på dette området, om de så er familieeide, om de er etablert av kvinnelige gründere, eller om de drives av frivillige ideelle organisasjoner, er kombinasjonen av Soria Moria-erklæringens målsetting om at helseforetakene først skal bruke egen ledig kapasitet før en inngår avtaler med andre private, avtaler med andre private, og en totalt manglende styring med den offentlige innkjøpspolitikken fra denne regjeringen. Det gjør at helseforetakene gjennomfører anbud med bind for øynene, uten verken å tenke på sine private samarbeidspartnere, eller tenke langsiktig, eller tenke på pasientenes mulighet for valgfrihet Det utvalget man viser til i innstillingen, ble det fremmet forslag om i Stortinget den 9. juni 2010, med en tekst som fulgte med om at det hastet med å få dette på plass. Vel, nå har vi fått avklart hva hast er for en rød-grønn regjering. Det er gått seks måneder, og ennå er ikke utvalget nedsatt. Jeg tviler på at en her kommer til å jobbe noe særlig raskere i tiden framover, særlig når en hørte representanten fra Arbeiderpartiets innlegg, som stort sett fortalte at det som gjøres nå, er greit, og det kan bare fortsette. Konsekvensene av dette er etter Høyres oppfatning så alvorlig at en nå kan risikere at veldig mange av de sentrale institusjonene er borte før dette utvalget i det hele tatt kommer i gang med sitt arbeid. Det er bakgrunnen for forslaget om at avtalene som nå går ut fra 1. januar og videre, blir videreført, at det dekkes opp økonomisk fra Stortinget, og at en da får et grundig arbeid i et utvalg som ser på rammebetingelsene, og på hvilken måte dette skal foregå i framtiden, slik at en faktisk ivaretar det mangfoldet som er representert i dag. I innstillingen prøver en å lage et mellom private aktører som eies av ideelle organisasjoner, og private aktører som f.eks. er familieeide eller drevet av en gründer. Det viser seg at de fleste opptreningsinstitusjonene i Oppland fylke, som det har vært en del fokus på, faktisk ikke drives av ideelle organisasjoner – selv om det kan virke sånn, fordi de som driver dem, bidrar med så mye innsats, så mye idealisme at en nesten kan få inntrykk av at de drives som private ideelle organisasjoner – men som familiebedrifter, som privateide aksjeselskaper. Men de er i nøyaktig samme situasjon som de private ideelle organisasjonene, både når det gjelder pensjonsforpliktelser, når det gjelder utfordringer knyttet til investeringer, og når det gjelder utfordringer knyttet til kortsiktige avtaler. I de rød-grønne partiene disse institusjonene rett ut og har ingen som helst omtanke for dem. Dette er de institusjonene som befolkningen i Oppland står opp for og ønsker å bevare, som i dag ikke får noe som helst omtale fra andre partier enn Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er en veldig alvorlig situasjon, nettopp fordi dette er institusjoner landet rundt som representerer viktige tilbud for pasientene. En ser f.eks. på rusområdet at helseforetakene av regjeringen får lov til å stille krav om at alle institusjonene òg skal ha et tilbud for pasienter som er innenfor legemiddelassistert rehabilitering. Dermed faller de automatisk ut og blir ikke tatt med videre i vurderingen. En ser at i enkelte områder, f.eks. i Helse Vest, i mitt eget område i Stavanger, gir en riktignok anbudet til en ideell institusjon, men en gir én stor aktør hele anbudet, sånn at neste gang en skal ha anbud, er det kun én stor privat ideell aktør igjen, og da vil Helse Vest bruke som argumentasjon at denne ene private ideelle aktøren er så dominerende at helseforetaket selv er nødt til å bygge opp et tilbud. Slik lar en helseforetakene drive på og drive på, helt til en til slutt ikke har noen private ideelle institusjoner igjen i dette landet.

samfunnet, og dei ideelle aktørane er eit viktig element i velferdsstaten vår. Ideelle organisasjonar har lange tradisjonar for å engasjere seg i utfordringar som velferdssamfunnet står overfor. Ofte har dei teke fatt i nye oppgåver og nådd fram til utsette grupper før velferdsstaten har klart å etablere gode ordningar for desse gruppene. Dei ideelle organisasjonane har ofte nådd fram til grupper som ikkje har fått dekt sine behov fullt ut i det etablerte velferdssystemet. Men dei ideelle aktørane har etter kvart kome i ein vanskeleg situasjon. Den marknadstenkinga og den anbodspraksisen som etter kvart har etablert seg i offentleg sektor, er i ferd med å presse ut dei ideelle aktørane. Ideelle aktørar med lang erfaring, spesialkompetanse og unikt engasjement blir sette på sidelinja til fordel for kommersielle interesser og internasjonale Fleirtalet i komiteen peikar på at vi må skilje mellom private kommersielle og private ideelle aktørar. Dei ideelle aktørane har andre eigenskapar og andre føresetnader enn dei kommersielle, og det må vi ta omsyn til, slik at dei ideelle organisasjonane kan få andre vilkår enn reint kommersielle aktørar. Høgre og Framstegspartiet har det motsette utgangspunktet. Dei slår i sin merknad saman dei ideelle og dei kommersielle aktørane. Dette er ein bevisst og velkjend retorikk. Dei brukar denne retorikken som ei brekkstong for å leggje til rette for dei kommersielle aktørane og dei store internasjonale velferdsprodusentane. Men det er nettopp denne likestillinga mellom dei ideelle og dei kommersielle som skaper problem for dei ideelle organisasjonane, og dermed også for eit godt velferdstilbod. Høgrepartia brukar bevisst samanstillinga av private ideelle og private kommersielle er forskjell mellom dei ideelle og kommersielle, og på den måten skapar dei ein situasjon der dei kommersielle pressar ut dei ideelle aktørane. Fleirtalet i komiteen peikar derimot på ideelle og nonprofitbaserte organisasjonar har hatt, og vil ha, ei viktig rolle i det norske velferdssamfunnet. Fleirtalet peikar også på at helse-, omsorgs- og sosialsektoren er dårleg eigna for tradisjonelle anbodskonkurransar. Derfor er det viktig å få etablert meir langsiktige og stabile rammevilkår for dei ideelle aktørane. Regjeringa har i Soria Moria II slått fast at ein vil vidareutvikle samhandlinga mellom offentleg sektor og frivillige

ideelle. Jeg vil starte med å gi ros til Kristelig Folkeparti for å ha tatt opp en viktig sak i dette Dokument 8-forslaget. Jeg synes det er positivt at Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene har flere felles merknader i denne saken. Det viser at vi deler mange synspunkt i Jeg synes det er positivt at Kristelig Folkeparti, sammen med regjeringspartiene, også viser til at målet med helse- og omsorgspolitikken er at alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie, med kort ventetid og Disse føringene må legges til grunn for offentlige innkjøp av helsetjenester til befolkningen. Mottakere av omsorgstjenester fortjener et tilbud som er mest mulig tilpasset den enkeltes behov. Senterpartiet mener også at helse- og omsorgstilbudet er en fellesoppgave for kommunesektor og stat. Private helsetilbud kan være et supplement for å gi et best mulig tilbud, men må reguleres og inngå i de offentlige helseplanene. I denne sammenheng er det viktig å videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å bedre tjenestetilbudet til befolkningen. Med et økende behov for pleie- og omsorgstjenester, og økende krav til kvalitet og innhold, vil behovet for en samhandling med ideelle og frivillige organisasjoner være økende i årene som kommer. Det er derfor slik at ideell sektor har en selvstendig egenverdi, og at det er en politisk oppgave å sikre at sektoren bevares. Innkjøperne av velferdstjenester i offentlig regi må ha klare føringer fra ansvarlig politisk myndighet for å ivareta politiske målsettinger. Jeg vil understreke at ideelle organisasjoner er et godt supplement til de offentlige tjenestene, og viktige samarbeidspartnere med spesialkompetanse, ofte bygd opp over lang tid. Senterpartiet mener de ideelles rolle, kompetanse og særpreg må verdsettes aktivt ved at de gis andre vilkår enn rent kommersielle aktører, og vi mener det haster med å få etablert mer stabile, forutsigbare og langsiktige rammevilkår for de ideelle virksomhetene. Jeg er derfor glad for Jeg er derfor glad for at Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene er enige om å videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige aktører og ideelle organisasjoner som er viktige bidragsytere til velferdsproduksjonen, slik det også er slått fast i Soria Moria II. Jeg viser også til statsrådens brev, der det påpekes at det i dagens regelverk finnes et særlig unntak for ideelle organisasjoner i forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 tredje ledd. Her åpnes det for at anskaffelser fra ideelle organisasjoner kan unntas fra forskriftens krav i del II og III. Så er det også slik at noen ønsker et skarpt skille mellom ideelle Her vil jeg minne om at det ikke kun er selskapsform som er avgjørende i denne sammenheng. En aktør som er organisert som et AS, og som ikke tar ut utbytte, kan være en like viktig aktør i denne sammenheng som en aktør som har valgt stiftelse som selskapsform. Det vi i Senterpartiet imidlertid ikke ønsker å bidra til, er å gi større kommersielle selskap innenfor helse-, omsorgs- og barnevernstjenester større muligheter – økte muligheter – for vekst. Avslutningsvis vil jeg si at i denne saken påpeker både Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene at helse-, omsorgs- og sosialsektorene er dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Konkurranseregimets innebygde dynamikk skaper fokus på pris framfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet. I det videre arbeidet er vi i Senterpartiet opptatt av at en innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, tar i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del

For Kristelig Folkeparti er denne saken en av de viktigste sakene vi arbeider med for tiden, for vi ser at utviklingen går i helt feil retning, og vi ser at det er et akutt behov for politisk styring. Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at den ene ideelle aktøren etter den andre må gi opp og legge ned driften av gode og viktige tilbud. Det er ingen grunn til å tvile på at dette er virkeligheten for ideell sektor. Vi kjenner alle til tilbud som er lagt ned eller som kjemper for å holde hodet over vannet: Styve Gard, som drev et helt unikt og viktig arbeid med rusbelastet ungdom i Hordaland, Oslo Hospital, med 720 års humanitær erfaring, som ikke var nok til å vinne anbud om fortsatt pleie av psykisk syke mennesker. Det er bare å høre hva aktørene selv har å fortelle, eller å sjekke «rødlista» vår, som inneholder en rekke flere eksempler på virksomheter som har tapt anbud, og som er nedlagt eller trues av nedleggelse. Dette er tilbud som ikke de legges ikke ned fordi tilbudet er av dårlig kvalitet, de legges ikke ned fordi de ikke har nok kompetanse. Nei, de legges ned fordi dagens anbudssystem fungerer slik, fordi det offentlige ønsker å bygge opp eget tilbud i egen regi, eller fordi bestillerne eller store kommersielle aktører presser ned prisene og dermed presser ut de ideelle. ideelle. Ideell sektor er i ferd med å utraderes, fordi vi fra politisk hold ikke griper inn og sikrer den utviklingen som vi faktisk ønsker alle sammen. Kristelig Folkeparti er glad for at en samlet komité er enig om at det må finnes flere måter å skape stabile, forutsigbare og levelige rammevilkår på for de ideelle aktørene, og det er bra. Folkeparti er enda mer glad for at representantene fra regjeringspartiene – som faktisk har makt til å gjennomføre sin politikk – uttrykker at de ser positivt på intensjonene i Kristelig Folkepartis forslag, og at disse partiene legger til grunn at regjeringen vil videreføre arbeidet med å legge til rette for samhandling mellom det offentlige og de ideelle. Folkeparti er tilfreds med at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er enige om at ideell sektor har en selvstendig egenverdi, og at det er en politisk oppgave å sikre at sektoren bevares. Vi er også tilfreds med at flertallet er enig om at det haster å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår, og at dette må avklares så snart som mulig. Vi er glad for at flertallet er enig om at alle mulighetene for å ta i bruk ulike anskaffelsesprosedyrer må utnyttes for å bedre innkjøp. Flertallet forutsetter at handlingsrommet i loven utnyttes for å oppnå offentlige innkjøp i tråd med politiske føringer. Flertallet understreker at det må sikres politisk styring med offentlige innkjøp for å ivareta behovet for gode og riktige innkjøp gjennom klare innkjøpsstrategier. Folkeparti synes det er positivt at regjeringspartiene går så langt i å si at de ønsker et regimeskifte for å redde ideell sektor. Det som nå gjenstår, er å finne løsninger som ivaretar disse politiske målene, løsninger som er i tråd med EØS-regelverket, men som gir et annet regime enn dagens. Kristelig Folkeparti har fremmet fire forslag som vi håper at regjeringspartiene vil følge opp. For på tross av politisk velvilje og gode politiske intensjoner, er situasjonen i sektoren svært kritisk. Stadig flere ideelle aktører gir opp på grunn av vanskelige rammevilkår, og med dagens system vil de ideelle aktørene innen kort tid forsvinne. Kristelig Folkeparti ønsker derfor særordninger og unntak fra de generelle anbuds- og markedsprinsippene som gjelder for denne type samarbeid mellom offentlige instanser og private aktører.

og at alle avtaler med ideelle aktører inngås ved direkte forhandlinger om kontrakter i stedet for ved anbudskonkurranse. Det generelle prinsippet bør være at det ved anskaffelse av helse- og sosialtjenester fra ideelle virksomheter benyttes direkte forhandlinger om driftsavtaler, ikke anbudskonkurranser. Jeg tar herved opp de forslagene som Kristelig Folkeparti har fremmet i

til. Jeg også vil gjerne uttrykke skryt, som det heter, over Kristelig Folkepartis initiativ i denne saken, som jeg syns både er viktig og treffer en nerve i debatten der ute som også vi andre skulle ha «catch»-et før. Det var ment som en kompliment. Så vil jeg gjerne si – det er mulig dette vil høres ut som en historietime, men jeg er historielærer, så det er vel derfor det kommer sånn: Det ingenting i vår velferdsstat som ikke er funnet på av såkalt private eller ideelle. Av alle de ordningene vi har hatt fra tidenes morgen – fra sosialsystemet vårt, som begynte som til sykehussystemet vårt, med Fredrikke Marie Qvam og de andre damene i Sanitetsforeningen, man var redd for tuberkulose og alt det der, til Fransiskushjelpen og det vi ser på Oslo Hospital, som begynte på 1200-tallet – ble ingen startet av staten. Det siste vi har statliggjort i denne salen, var krisesentrene, som begynte som en sterk damebevegelse, en bevegelse av damer som så at andre damer hadde det dårlig. Det begynte med masse frivillighet, det begynte med masse engasjement, før vi tok over det. Sånn har vi sett, skritt for skritt, at velferdsstaten har blitt utviklet – på godt og på vondt. Noen ganger har vi Sånn har vi sett, skritt for skritt, at velferdsstaten har blitt utviklet – på godt og på vondt. Noen ganger har vi mistet noe, slik som da Venstre stemte imot krisesenterovertakelsen fordi vi var redde for at vi mistet noe av det som disse damene faktisk har gjort opp gjennom tidene, mens noe av det har det vært riktig at staten har tatt – Fredrikke Marie Qvam gikk jo med sitt strikketøy oppover men man kunne ikke drive sykehus på den måten. Vi måtte drive sykehus på andre måter. Jeg mener at vi mister noe essensielt hvis vi mister hele den skaperkraften som ligger i det sosiale entreprenørskapet og det frivillige engasjementet for å gjøre ting bedre. Da er det mulig vi ikke passer inn i alle studiesirklene i alle

Vi kan tenke på det fra en ren kapital-/pengebruksside. Hvis du tror at du skal bruke konkurranseutsetting for å få mer igjen for pengene, er det veldig dumt å ødelegge markedet. For det man gjør nå, er å sørge for at det ikke er noen til å konkurrere senere – det er ingen til å gi andre anbud enn de som er aktører. Det er de som har vunnet disse anbudsrundene, som er med i neste anbudsrunde, for konkurrenten er ikke der. Så hvis du tenker rent markedsmessig, er det også ganske dumt å gjøre et sånt grep, fordi du ødelegger markedet. Så kan du tenke på en helt annen måte, nemlig ved å si at dette er merverdi, at dette altså skjer gjennom sosialt entreprenørskap, at det skjer gjennom ideelle organisasjoner, at det skjer gjennom brennende engasjement. Vi vet at på rusfeltet trenger vi en variasjon, for det er noen som trenger heroin, og noen som trenger Jesus for å komme ut av det. det. Den bredden trenger vi. Hvis vi mister den bredden, mister vi også et aspekt ved hele det tilbudet vi har på den sosiale siden. Så jeg må si at jeg er litt skremt over at regjeringa ikke har skjønt noen av problemene den kommer opp i. Den skjønner ikke at man ødelegger markedet hvis man skal tenke rent konkurransemessig. Den skjønner heller ikke den merverdien man mister ved å miste de ideelle aktørene på dette markedet.

Venstre kommer til å stemme for forslagene nr. 1, 3, 4, 5 og 6. Jeg håper at det blir noe mer ut av dette enn bare det prisverdige initiativet som Kristelig Folkeparti har tatt gjennom et Dokument nr. 8-forslag. Jeg håper at regjeringspartiene skjønner alvoret, skjønner hva som skjer der ute, og leser de mailene de får.

Det offentlige er derfor avhengig av at ideell sektor leverer tjenester av god kvalitet til en fornuftig pris. Statens og kommunenes kjøp av slike tjenester er på den annen side også av stor betydning for ideell sektor. Det offentlige må opptre profesjonelt og i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Samtidig må vi sikre at de ideelle organisasjonene har stabile og gode rammebetingelser. Vi har i dag et unntak i anskaffelsesregelverket ved kjøp av helse- og omsorgstjenester fra ideell sektor. Når det offentlige skal kjøpe helse- og omsorgstjenester fra ideelle organisasjoner, trenger man ikke å følge de detaljerte prosedyrereglene. Oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i regelverket, bl.a. om at kjøpet, så langt det er mulig, skal være basert på konkurranse. Dette følger av lov om offentlige anskaffelser og av våre internasjonale forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Det er ikke adgang til å inngå avtaler med ideelle aktører ved direkte forhandlinger. Dagens regelverk gir altså den som skal kjøpe en tjeneste, et valg: Enten kan man holde avgrensede konkurranser, der bare ideelle organisasjoner får levere tilbud, eller man kan gjennomføre konkurranser etter prosedyrereglene i anskaffelsesregelverket. Det offentlige må velge den mest hensiktsmessige framgangsmåten i den konkrete situasjonen. I tillegg må man opptre profesjonelt og sikre at helse- og omsorgstjenestene holder en god kvalitet til en fornuftig pris. Samtidig er det viktig å sikre gode og riktige innkjøp gjennom klare innkjøpsstrategier. Regjeringen er opptatt av at handlingsrommet i regelverket blir utnyttet for å sikre aktørene langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Det er verdt å se nærmere på om kontrakter i alle tilfeller har en hensiktsmessig lengde. Hensynet til nødvendige investeringer som tilbyderne må gjøre, og brukernes behov for stabilitet og kontinuitet, må stå sentralt ved valg av kontraktslengde. Samtidig kan jeg vanskelig se at det er mulig å fastsette noen generelle retningslinjer om kontraktslengde som gjelder i alle tilfeller – uansett hvilke tjenester som skal anskaffes. Dette må nødvendigvis avhenge av en konkret vurdering basert på bl.a. hva som skal anskaffes, og hvor komplekse tjenestene er. Brukernes behov og tjenestenes kvalitet må stå sentralt ved valg av anskaffelsesprosedyrer. Kravet til konkurranse innebærer ikke nødvendigvis at leverandørene først og fremst må konkurrere på pris. Regelverket åpner for at kvalitetskriterier kan trekkes tungt inn på alle stadier i konkurransen. Samtidig skal offentlig sektor – også ved kjøp av tjenester – bruke ressursene på en så effektiv og formålstjenlig måte som mulig. Penger brukt på ineffektive innkjøp kunne alternativt vært brukt til å oppnå andre velferdsmål og finansiere andre velferdstjenester. Regjeringen er opptatt av at arbeidstakerrettigheter blir godt ivaretatt i anskaffelsesprosedyrene. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er et viktig virkemiddel, og regjeringen arbeider Helseministeren har allerede – og det er veldig mye debatt her om helse- og omsorgstjenester – varslet at det blir igangsatt et arbeid med en generell gjennomgang av rammevilkårene for ideell sektor. Jeg har sluttet meg til dette. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en nærmere redegjørelse. Å stanse alle nye anbud krever at eksisterende avtaler blir Det vil bli oppfattet som en ny kontrakt med mindre forlengelsen er en del av den opprinnelige konkurransen. Det vil være ulovlig å forlenge uten ny utlysning. Alternativet er at brukerne står uten tjenester. Jeg kan derfor ikke se at det verken er hensiktsmessig eller at vi har rettslig adgang til å stanse alle anbudsprosesser.

Sju av ti er positive til at folk har mulighet til å velge. Sju av ti mener at det ikke spiller noen rolle hvem som utfører tjenesten, og kun 23 pst. er imot private løsninger i konkurranse med det offentlige. Da blir mine spørsmål: På hvilke områder er det regjeringspartiene på ingen måte kan samarbeide med private? private? Hvis det ikke er noen områder, hvorfor er det ikke da større positivitet til et

sykehus. I kommunesektoren er jeg kjent med at det pågår et omfattende samarbeid på mange områder. Men primært sett bør det være kommunene som har det grunnleggende ansvaret for de tunge tjenestene, slik vi ser det i dag. Omsorgstjenester er jo i hovedsak levert av kommunesektoren, og her vil det kommunale selvstyret råde, slik at det vil være opp til den enkelte kommune å bestemme hvilken miks man ønsker å ha – av egenproduserte tjenester og det man eventuelt kjøper av andre.

at Tonsåsen, som ble etablert i 1881, og som har blitt drevet av familien Hovi siden 1980, eies av private, og at Fron Rehabiliteringssenter, som i 2006 fikk 6,5 mill. kr av Helse- og sosialdirektoratet for å omstille seg, er eid av private. Hva er det regjeringen har så imot disse institusjonene, siden de ikke skal få den omtanken og omsorgen som man nå åpenbart plutselig har fått for private ideelle, selv om det også der går forferdelig sent og det i realiteten ikke skjer noe? Hva er det som er galt med disse tre institusjonene, som gjør at disse ikke skal få en fremtid og kunne gi pasienter også i fremtiden et

den siste tiden, men jeg vet at flere av dem har levert tjenester tidligere. Det er riktig at regjeringen mener at frivillige og ideelle organisasjoner har en egenverdi. Det er mye kompetanse som sitter i frivillige organisasjoner, og de har på mange måter gått foran. Det betyr ikke at vi utelukker private supplement til de offentlige tjenestene. Det har vi hatt lang tradisjon for, og det tror jeg også vi kommer til å ha i

Dette skal gjøres gjennom en selvstendig, separat direkteanskaffelse, het det i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet forleden. Også én gang tidligere gjorde Helse Sør-Øst en tilsvarende avtale, i russektoren den gangen, etter det jeg forsto var pålegg fra en tidligere helsestatsråd fra Arbeiderpartiet. Mitt spørsmål er om statsråden kan bekrefte at denne måten å inngå avtaler på faktisk er i tråd med reglene for offentlige anskaffelser.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

det gjelder barnevernsinstitusjoner i regi av Kirkens Sosialtjeneste, det gjelder private tilbud innenfor psykiatri i regi av diakonale stiftelser, og enkeltstående sykehus som Oslo Hospital. Denne forandringen innebærer at pionerene innenfor helse- og omsorgssektoren, innenfor rus, barnevern osv. jages ut av sektoren, og mangfoldet blir dårligere. Og sist, men ikke minst: Det fører til at tilbudet til brukerne svekkes. På alle disse områdene er det mangel på tilbud. Det er køer. Brukerne innenfor russektoren blir henvist til statlige køer til erstatning for de ideelle institusjonstilbudene. Brukerne innenfor barnevern blir også i stor grad henvist til dårligere tilbud, og til ventetider innenfor det offentlige systemet. Ideelle institusjoner er under press fra to kanter, og jeg synes debatten her i dag illustrerer det meget vel. Fra den kommersielle sektor, og fra den offentlige sektor, kommer presset inn mot de ideelle institusjonene. Jeg er glad for at det er så bred forståelse for dette i innstillingen. Hittil har de politisk ansvarlige

at regjeringen, i tråd med representanten Aaslands anmodning, vil legge til grunn de retningslinjer som flertallet trekker opp i denne innstillingen for sin politikk på dette området, for utviklingen av nye rammebetingelser for ideelle institusjoner, og for gjennomføringen av de pågående anbud? Det er det avgjørende å få svar på i denne debatten. Jeg ber om at statsråden konkret besvarer om at statsråden konkret besvarer om det er slik at disse retningslinjer som flertallet i komiteen trekker opp, vil bli gjort om til instruks for helseforetakene, for Buf-direktoratet og andre som forvalter disse oppgavene i praksis. Det er det som avgjør om denne debatten har noen som helst betydning i dag. dag. Mitt innlegg vil i dag være dedisert regjeringen. Jeg har lyst til å takke og berømme regjeringspartiene i komiteen for de klare kravene som de stiller der. «Korleis kan 700 års historie vere over med I Klassekampen på lørdag ble dette spørsmålet stilt. Historien handler om Oslo Hospital som ikke får avtale med Helse Sør-Øst, eller kanskje får en avtale de ikke kan leve med. Det er pasientene som rammes når institusjoner taper anbudskonkurranser. Dersom Oslo Hospital ikke får en avtale de kan overleve med, fører nedleggelsen til at 40 pst. av sengeplassene innen psykisk helse forsvinner for sårbare grupper i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og gamle Oslo. Jeg skulle ønske at det var noe i det jeg nettopp sa, som fikk det til å ringe en bjelle hos statsråden – for det første at tradisjonsrike institusjoner som behandler alvorlig syke, og som har kompetente og engasjerte ansatte, må ha mer forutsigbarhet enn at driften kan opphøre i løpet av et par måneder, det skjer i disse for det andre at helse-, omsorgs- og barnevernstjenester ikke egner seg for konkurranse. Dette er ikke næringspolitikk. Regjeringen skriver i Soria Moria II-erklæringen: «Ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare Det at regjeringen kaller tjenester til alvorlig psykisk syke, rusavhengige, de sykeste eldre og barnevernsbarn for produksjon, er litt spesielt. Det handler faktisk om å gi de menneskene det gjelder, god behandling. Det handler om vilje til å bruke de gode ideelle institusjonene og til å finne løsninger. Regjeringen kan ikke lenger gjemme seg bak anbudsregelverket. Mange titalls ideelle institusjoner har måttet avvikle eller er i ferd med å avvikle i disse dager nettopp på grunn av anbudspraksisen. Det er realiteten. Å sette ned et nytt utvalg som skal jobbe i flere måneder, fører bare til flere nedleggelser. Enten må statsråden si rett ut at regjeringen synes det er greit at ideelle organisasjoner utkonkurrerer hverandre, og at de helst vil ha alle tjenester i offentlig regi, eller så er det en rekke ting regjeringen må gjøre, nemlig endre regelverket, sikre langsiktige og forutsigbare avtaler og ikke minst sikre at størrelsen på anbudene tilsvarer ledig kapasitet. Dette siste er ikke minst viktig hva gjelder Oslo Hospital, som kanskje bare får fylt opp en tredjedel av sin kapasitet. Det kan ikke de leve med. Rammevilkår for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barnevernstjenester, er et viktig saksfelt. Dette er

skal operere på like betingelser, vil de kommersielle raskt utkonkurrere de ideelle.» Presist! Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ønsker i sitt samspill med de offentlige institusjonene at «det må skjelnes mellom private kommersielle og private ideelle, non-profit, aktører».

Hvorfor kan ikke da ideelle og nonprofitinstitusjoner behandles annerledes enn private aksjeselskaper med høyest mulig aksjekurs som formål? Jeg har en mistanke om at det er fordi komitéflertallet ikke har fått reven ut av hiet, for å bruke et bygdeuttrykk. En har ikke fått reven ut av hiet. hiet. Reven heter med stor sannsynlighet EØS-avtalen, og den er vanskelig å få ut i åpent lende. Jeg vil si til statsråden at representanten Høybråten påpekte alvoret, og at det er viktig å komme tilbake med forslag i Stortinget i tråd med flertallets komitémerknader. Senterpartiet er svært opptatt av at det nå blir gjennomført.

ekspertise – få has på den reven, så er mye gjort. For det handler ikke om EØS-avtalen. Det er andre land som gjør dette på en helt utmerket måte. Og hvis det var slik at det var EØS-avtalen som var problemet, hvordan kunne da de diakonale sykehusene i denne byen fortsette sin drift uten å være satt ut på anbud? EØS-spøkelset hjelper ikke i denne sammenheng, for det er ikke til stede, verken som spøkelse eller rev. rev. Jeg må si jeg er overrasket når jeg ser at statsråden foreløpig ikke har tegnet seg til et nytt innlegg. Skal det forstås sånn at den utfordringen regjeringen har fått om at man legger til grunn innstillingen, gjelder, eller er man på tynn is fordi det er en kamp mellom byråkratiet i første rekke i regjeringen og kanskje noen statsråder, og de rød-grønne partiene her på Stortinget? Det har vi hatt all grunn til å tro de fem siste årene, at det har vært et politisk flertall mot det regimet – det byråkratiske regimet – som nå jobber med disse sakene i forhold til det som er det politiske flertall her i salen. Jeg vil anbefale helseministeren og statsråden som er her i dag, å ta en titt på pressemeldingen fra Helse fra Helse Sør-Øst fra 6. desember 2010, som heter «Kjøp fra private institusjoner». Det er virkelig en studie verdt i hvordan man dekker over sin egen udugelighet, hvordan man prøver å komme ut av en vanskelig situasjon. Dette gjelder Oslo Hospital, og jeg skal lese fra pressemeldingen. Her pågår det nå en klagebehandling, allikevel presterer man å si: «Vi ser imidlertid at resultatene av anskaffelsen innen psykisk helsevern kan føre til noe lavere kapasitet for enkelte pasientgrupper i Oslo. Spesielt gjelder dette for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter som har behov for behandling i et mer skjermet behandlingsmiljø.» I det ordinære anbudet

Neste taler er representanten
skyld. Eg synest det har vore ein god og spennande debatt, og vi har fått ei viss avklaring. Vi har ei todeling i denne salen: Det er dei som vil slå saman dei kommersielle og ideelle og gjennom det skaffe fordelar for dei kommersielle, og så har vi dei som ser at det er eit behov for å ha spesielle ordningar for dei ideelle og sosiale entreprenørane om dei skal overleve i den anbodsstrukturen som no har kome fram, for at dei kommersielle skal få gode moglegheiter til å kome inn med sine anbod. Grunnen til at eg tok ordet på nytt, var innlegget til representanten Skei Grande. Historieforteljinga hennar kan eg ha mitt. Poenget mitt var at eg hadde problem med å få tak i konklusjonen. Eg ser at fleirtalet i komiteen har vore relativt tydeleg på at sjølv om det er vanskeleg, er vi nøydde til å finne eit eller anna skilje mellom ideelle aktørar og sosiale entreprenørar på den eine sida og dei sosiale leverandørane på den andre sida. Det eg ikkje fekk heilt tak i, var om representanten Skei Grande trudde ein skulle kome ut av dette utan å gjere eit slik skilje. Det fekk eg inntrykk av i hennar innlegg. Ved ei høveleg anledning kunne det vore interessant å høyre om Venstre prøver å skreve her, eller om dei har teke eit standpunkt. Jeg regner med at statsråden har samme interesse for og samme oversikt over alle ideelle institusjoner som er

Tror statsråden at vi vil ha en ideell sektor i fremtiden dersom vi fortsetter dagens politikk uten at aktive grep blir tatt, og at det ikke bare blir gode ord i noen fellesmerknader? Eller kan vi se

studiesirkel. Noen av dem er nok store multinasjonale selskaper, som produserer noen tjenester, og noen av dem er de familiene, som Bent Høie og andre snakket om, som har drevet disse små selskapene, stiftelsene og og andre i 30–40–50 år i flere generasjoner. Da er kanskje ikke det skillet så enkelt som det er i en studiesirkel i SV. Det er ikke noen multinasjonale store selskaper som ruller inn og skal tappe Norges velferdskasse. Det er i hvert fall noe helt annet man møter

De aller fleste i denne salen kjenner sikkert til bildet Skrik, malt av Edvard Munch i åsen over Oslo Hospital. Når man leser om Munch, ser man at kunsthistorikerne er litt uenige. En fløy mener i hvert fall at den beskrivelsen Munch gir når han tegner bildet, er at det på en måte er et stumt skrik, men det er hele verden som skriker. Et av hva som gjør at han får denne opplevelsen, er at han står i bakken over Oslo Hospital der hans søster er innlagt. Dette var en tid med annen medisinering, og det var nok mulig å høre skrikene fra Oslo Hospital på det tidspunktet når man sto oppe i bakken. Det var nok det som var inspirasjonen til Edvard Munchs mest kjente maleri. Problemet nå er at det er ingen som hører disse skrikene. Det er Det er bra for oss som er naboer til Oslo Hospital, men det er ikke bra for de tunge, store viktige institusjoner dette her er, som man burde ha hørt skrikene fra. Jeg er veldig bekymret over å ha en regjering som i og for seg kan si de riktige tingene, men som har en statsminister som står på denne talerstolen og avviser problemstillinga, som ikke er i stand til å stemme for Nå ser jeg heldigvis at statsråden har tegnet seg, så jeg håper vi får noen avklaringer. Men jeg er redd for at dette er skyggeboksing, og at vi egentlig ikke kommer noe nærmere. Det er veldig mye gode intensjoner i denne sal, men ingen vilje i huset to kvartaler lenger opp. Jeg fikk noen direkte spørsmål, og jeg kan bekrefte at selvsagt vil regjeringen følge opp det som er

Så har jeg registrert at veldig mye av debatten her dreier seg om helse- og omsorgssektoren. Jeg har ikke inngående kjennskap til hvor mange ideelle organisasjoner som har mistet avtaler innenfor helse- og omsorgssektoren. Det går det an å skaffe seg oversikt over. Men jeg så bl.a. på et av helseforetakenes anbud som ble lagt ut. Der var det sju virksomheter som vant anbud. Alle sju var ideelle, men det var allikevel to stykker som ikke fikk aksept. Så vet jeg at det er noen som har mer penger enn regjeringspartiene å bruke i helsesaker, og da går det an å legge ut større anbud. Men det å legge ut anbud etter den kapasiteten som tilbys i markedet til enhver tid, tror jeg vil være ganske krevende, for det er mange nye aktører som kommer inn, og alle har forventninger om å vinne anbud. Skal anbudssystemet virke, er vi også nødt til å godta at noen ikke vinner anbud. Men regjeringen er som sagt innstilt på å følge opp flertallsmerknadene. Vi går igjennom regelverket. Jeg tror vi skal ta oss tid til den gjennomgangen. Én av de tingene som jeg så på som bra i helsevesenet da jeg jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet, var bl.a. ordninger som het Inn på tunet. Det var bra i barnevernet, og det var bra innen psykisk helse. Men Inn på tunet drives jo av bønder, som verken er ideelle eller frivillige. De er selvstendig næringsdrivende. Jeg har sett gode tiltak som kommuner driver. Kommuner er heller ikke ideelle eller private. Det gjelder også å finne en god balanse, slik at vi treffer de institusjonene vi er opptatt av å ha med oss. Jeg tror fortsatt det vil være private institusjoner som vil fylle ut det bildet vi har innenfor helse- og omsorgssektoren, også innenfor barnevernet.

hen at den ikke er ønsket. Derfor må en gjøre de vurderingene, de betraktningene og få på plass det som ligger i de flertallsmerknadene som framkommer gjennom denne innstillingen. Så har jeg lyst til å kommentere Bent Høies innlegg her i starten, hvor han sier at vi gjennomfører innkjøp Jeg har også lyst til å understreke at for min del smerter det noen ganger å se at noen private aktører som har levert tjenester i mange år i mitt eget fylke og i min egen nærhet til befolkningen, mister anbudet. Men derimot er det litt merkelig at det kommer fra Høyre, som i enhver annen sak sier at det er anbud og konkurranse som – skal vi si – fremmer kvaliteten, og som er løsningen på omtrent ethvert

av anbud og konkurranse i forhold til. Så har ikke jeg på noen måte ment at vi i innstillingen hiver private ut. Vi har tvert om tatt hensyn til det forslagsstillerne påpeker, å ivareta ideell sektor i et ganske hardt konkurranseutsatt marked, og hvor de kommersielle aktørene blir hardere og hardere etter hvert som tiden går. Jeg synes også at uttalelsene til Kristelig Folkeparti nå i denne debatten understreket at vi, i hvert fall på en god startmåte, har klart å få til det gjennom den flertallsinnstillingen som foreligger. Det har tatt regjeringen fem år å ikke finne løsninger for ideell sektor. Også i forrige stortingsperiode lovet regjeringen å komme tilbake og se på både regelverk og annet, på hvordan vi kunne redde ideell sektor fra det som nå er i ferd med å skje.

side. Så synes jeg det er bra at det presiseres fra regjeringspartiene i Stortinget at dette skal følges opp. De stoler jo på at det skal følges opp. Men jeg er bekymret når statsråden står her og snakker om et utvalg som skal settes ned, og at vi skal så mer på hele frivillig sektor, og som er et litt annet bord enn det vi snakker om nå. Flere institusjoner vil bli nedlagt hvis man ikke gjør noe umiddelbart. Tusenvis av ruspasienter står fortsatt i kø. Ansatte er oppsagt, både i Oslo og Tusenvis av ruspasienter står fortsatt i kø. Ansatte er oppsagt, både i Oslo og på Vestlandet, ja til og med i min egen kommune – flotte institusjoner som har bygget opp rusomsorgen i mange tiår. Hadde det ikke vært pasienter som trengte dette, skulle jeg ikke sagt noe. Hadde det vært dårlig kvalitet på disse institusjonene, kunne vi heller ikke sagt noe. Men det står nesten 4 000 rusavhengige i kø, og haugevis av dem bor i Bergensregionen. Vi skal vel ikke vente på et nytt utvalg? Jeg må bare spørre regjeringspartiene i Stortinget: Vil de akseptere at det er et nytt utvalg som nå skal dette? Vil de akseptere at så mange institusjoner som har sagt opp ansatte allerede, blir avviklet? Vil regjeringen akseptere det? Det må mer enn ord til. Det må faktisk handling til, akutt, for de ideelle som nå holder på å avvikle. avvikle. Så kan man gjerne ha et utvalg for andre ting på sikt, men ikke for å redde de ideelle som i dag ikke vet sin arme råd. Det er pasientene som rammes, ingen andre. Alf Egil Eg kan tilby representanten Skei Grande mange studiesirklar dersom ho føler ho treng det. Det er ikkje dermed sagt at vi slepp unna dei vanskelege grenseoppgangane. Det er jo ein gong sånn at skal vi klare å gjere noko spesielt for dei frivillige, for dei ideelle og for dei sosiale entreprenørane, må vi på ein eller annan måte skilje dei ut frå dei kommersielle, som vi ikkje skal spesialbehandle. spesialbehandle. Så er det ikkje dermed sagt at vi ikkje skal ha andre private i tillegg, men no har vi lovt at vi skal spesialbehandle ideelle og dei sosiale entreprenørane. Då må vi på ein eller annan måte beskrive dei, og den problemstillinga kan ikkje Venstre vri seg unna ved å referere til studiesirklane i Sosialistisk

Jeg er veldig glad for at statsråden presiserer at man ønsker å følge opp den klare viljen som flertallet her uttrykker, den veldig klare erkjennelsen fra flertallet av at de ideelle organisasjonene har en historisk rolle i det norske velferdssamfunnet, at de fortsatt har en rolle i videreutviklingen av det norske velferdssamfunnet, og at det har en egenverdi å ivareta nettopp de aktørene aktørene i det norske fellesskapet og i velferdssamfunnet. Så viste statsråden til at når man har anbud og konkurranse om å få avtaler, er det noen som er nødt til å tape disse anbudene. Det har statsråden rett i. Problemet er imidlertid at de som melder disse bekymringene, de institusjonene som nå melder at de er nær ved nedleggelse og er i ferd med å gå dukken, er de organisasjonene som har tapt disse anbudene. Men de institusjonene og organisasjonene som har vunnet anbudene, melder om det samme. samme. Det gjør de fordi de betingelsene de har fått, er ikke til å leve med. Det er for korte perioder til at man kan ta vare på fagmiljøene, til at man kan bygge opp fagmiljø, til at man kan ta opp lån for å finansiere vedlikehold, rehabilitering av bygninger, osv. Rammebetingelsene er sånn at de ikke er til å leve med for dem som taper anbudene, og for dem som vinner Det bør statsråden også merke seg i sitt videre arbeid. Det gleder meg at det er uttrykt så klart fra flertallet her en klar politisk vilje, og at statsråden har sagt hun vil følge det opp. Til slutt vil jeg bare referere til hva den klare viljen går ut på. nemlig de rød-grønne og Kristelig Folkeparti, fastslår i innstillingen at man «mener det haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle

men lar helseforetakene og Bufetat gjennomføre anbud med bind for øynene når det gjelder barn, barnevernsbarn, rus, psykiatri og rehabilitering. Jeg skal forklare representanten Aasland hva anbud med bind for øynene er. Det er f.eks. når et helseforetak lar én stor aktør vinne et anbud. Neste gang er det ingen andre som kan delta i den konkurransen, alle de små er utradert. En har heller ingen mulighet som pasient til å velge mellom ulike tilbud. Det er anbud med bind for øynene, fordi en kunne i anbudet presisert at en ønsket å ta vare på et mangfold av tilbud, og hatt mulighet til det. Det er anbud med bind for øynene når en sier at kvalitetskrav skal gjelde 70 pst., pris 30 pst. Når en så får inn anbud, definerer en at alle tilbyderne tilfredsstiller kvalitetskravene. Dermed stiller alle likt når det gjelder de 70 pst.-ene. Da er det kun de 30 pst. på pris som betyr noe, altså i realiteten ingen kvalitetskrav. Det er anbud med bind for øynene når en f.eks. sier at alle rusinstitusjoner skal kunne ta imot LAR-pasienter. Det betyr de rusinstitusjonene som prinsipielt og faglig mener at det er feil å blande ruspasienter som er rusfrie, og ruspasienter som ruser seg på legemidler fra staten. De er da definert ut av anbudet umiddelbart – altså: Mangfoldet forsvinner. Det er anbud med bind for øynene når en har anbud innenfor psykiatrien der en ikke på forhånd definerer hvilke tilbud en har, slik at f.eks. Oslo Hospital åpenbart taper et anbud fordi de gir et tilbud til psykisk syke mennesker som har behov for en helt annen oppfølging – med andre ord en helt annen bemanning enn det de andre institusjonene som deltok i det anbudet, har behov for, og dermed taper anbudet på pris, fordi Helse Sør-Øst har gjennomført et anbud med bind for øynene. Representantene for regjeringspartiene sier at i merknaden sies det – i merknaden sies det. Ja, men fra regjeringens side gjøres det absolutt ingenting, fordi en lar både Bufetat og ikke minst de få lov til å holde på med den praksisen. Det har de nå gjort i fem år, og konsekvensene er dramatiske.

ned et offentlig utvalg. Det har altså ikke regjeringen gjort; vi har jobbet på andre måter og skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Så var det også et spørsmål fra representanten Syversen i stad, knyttet til noen av de diakonale sykehusene i Oslo-regionen som ikke hadde vært ute på anbud. Det er riktig at det er noen driftsavtaler som ble tatt over fra

de skulle stride mot EØS-reglene, hadde vi sikkert hørt noe fra ESA for lenge siden. Jeg legger til grunn at Norge kan gjøre det andre land gjør i denne sammenheng, nemlig ha vidtgående unntak når det gjelder ideell sektor innenfor helse og sosial. Men spørsmålet er hva regjeringen vil. Vil den se problemer, eller vil den se løsninger? I fem år har regjeringen sett problemer, i hvert fall noen i regjeringen. I hvert fall noen i i regjeringens byråkrati har sett problemer, og de har vunnet fram. Spørsmålet er nå: Har vi nå kommet til et veiskille også politisk, hvor man akter å ha politisk styring med dette? Det er det denne saken nå handler om. Så er jeg veldig glad for at statsråden sier at man kommer tilbake til Stortinget med arbeid som jeg regner med munner ut i endringer i praksis. Jeg ber om å bli korrigert, men er det slik at dette arbeidet kan avsluttes med et vedtak her i Stortinget før sommeren? Hvis det skal være noe mening i det flertallet her snakker om, at det haster å komme fram til en løsning, må minimum være at Stortinget før sommeren kan fatte et endelig vedtak og sette en stopper for en praksis som nå pågår, som er en ulykke for det norske samfunnet, og som jeg vil si er – hvis jeg hadde sett det fra et rød-grønt synspunkt – ytterst

kvitt de private institusjonene på dette området. Kristelig Folkeparti sørger for at det volumet som kommer til å være i helsevesenet, kommer til å bestå av offentlige og det som Kristelig Folkeparti kaller ideelle institusjoner. I mitt fylke er det fire familieeide som har jobbet i et par generasjoner, og som har levert gode tjenester. Det kommer ikke til å være plass til dem – en er under nedleggelse, den neste er på randen av nedleggelse, og de to siste kommer til å bli nedlagt når Kristelig Folkeparti får det som de vil. Det kommer til å bli møtt med stor bitterhet og indignasjon, nettopp i forhold til Kristelig Folkeparti. Hva galt har de gjort, som skal behøve å bli utsatt for den type argumentasjon og den type tilnærming som Kristelig Folkeparti fronter? Jeg må nok si at årsaken til at jeg nå tok ordet, var utløst av representanten Dåvøys innlegg, hvor representanten Dåvøy bekymret seg så skrekkelig for pasientene Representanten Dåvøy bekymret seg for pasientene. Hvor hult kan ikke dette lyde? For meg er dette noe av det huleste jeg har hørt på utrolig lenge. Vi har en stor kapasitet som står der, som man kunne bidratt til å få effektuert. Man kunne hatt en større kapasitet hvis man ville det, men det vil man altså ikke, fordi man ønsker et grep der det bare er en viss type tilbud fremstår som aktverdige for Kristelig Folkeparti, og som sånn sett skulle være gode nok for også å skulle ha en fremtid i det norske helsevesenet. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er dypt, dypt skuffet over Kristelig Folkepartis grep, både i denne sammenhengen og i andre sammenhenger hvor vi har parallell problemstilling, og jeg tror jeg deler den skuffelsen med dem som har nedlagt et liv på å bygge opp institusjoner som innenfor den rammen som Kristelig Folkeparti ønsker, ikke har noen fremtid i vårt helsevesen. Representanten Terje Aasland har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg
tok ordet nå bare for kort å bemerke at det Bent Høie tar opp, har vi for så vidt kommentert fra flertallet. Vi skriver: «Flertallet viser til at helse-, omsorgs- og sosialsektorene er dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Konkurranseregimets innebygde dynamikk skaper fokus på pris framfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet.» Det jo egentlig representanten Bent Høie faktisk uttaler, har vi fra flertallet skrevet inn i vår innstilling, uten at Høyre er med på det. Konsekvensen av det Høie sier, han som representant, og kanskje også det partiet han faktisk er medlem av, burde hatt en helt annen konklusjon i inngangen til dette, og det er at anbud og konkurranse ikke er egnet nettopp for denne sektoren, men kanskje muligens i andre sektorer. Vi har alle forskjellige erfaringer, men for en revejeger er det sterkt å høre representanten sektorer. Vi har alle forskjellige erfaringer, men for en revejeger er det sterkt å høre representanten Syvertsen, som mener at reven er i de regionale helseforetakene, som om de skulle leve sitt liv helt uavhengig av statsrådens politiske vilje – det må jeg si er sterkt som om det skal være mulig for den administrative leder i et regionalt helseforetak å arbeide i strid med eiers vilje. Nei, saken er nok heller at det er vondt for Kristelig Folkeparti å se reven i åpent lende, se hvor problemet egentlig er. Jeg synes statsråden på en grei måte har beskrevet at dette er en problemstilling. Jeg er overrasket over at ikke flere EØS-tilhengere har mot til å gå inn i problematikken, se utfordringene og anføre hva en så i tilfelle kan gjøre. Ellers er det sterkt å erfare her den rørende opplevelsen av Høyre som gråter med sine uskyldsblå øyne fordi ideelle eller nonprofitinstitusjoner taper anbud. Det er rørende. Jeg må si det så sterkt at det står ikke til ære at Høyre ikke åpent tør å forsvare sin ideologi på helseområdet, som på andre områder, om at det er anbud som er det saliggjørende. Hvorfor ikke forsvare med bram og frimodighet at det systemet som går på anbud, er et system som man også skal ha på dette må jeg si at det er sterkt av representanten Thommessen å kritisere Kristelig Folkeparti sånn som de gjør, som om Kristelig Folkeparti ønsker å bli kvitt de privateide institusjonene i Oppland. Det vitner om en desperasjon fra Høyres side som jeg synes er ganske spesiell. Alle som kjenner Kristelig Folkeparti, vet at den type private institusjoner i Oppland står både Kristelig Folkepartis og Senterpartiets hjerte nær. Det er helt uhørt å gå til slike angrep på Kristelig Folkeparti bare fordi Kristelig Folkeparti i denne saken har gått opp den ideologiske skillelinjen, hvor de rød-grønne partiene og Kristelig Folkeparti står sammen, og hvor Høyre og Fremskrittspartiet står alene. Til siste taler vil jeg si at når det gjelder forholdet til EØS-avtalen, er

de samme tingene der, og hvordan det faktisk ligger på et helt annet nivå i forhold til å ta i bruk anbud og markedsmekanismer og ivareta sine ideelle stiftelser, organisasjoner og institusjoner. Man kan også i lovtekster se at vi har et handlingsrom vi ikke fullt ut har utnyttet i dag, og det er det vi etterspør i denne saken. Så var det representanten Olemic Thommessen som utfordret Kristelig Folkeparti, og som gjorde at jeg tok ordet. Det er ikke sånn at Kristelig Folkeparti ønsker de kommersielle ut av helse-, omsorgs- eller barnevernssektoren. Nei, det gjør vi faktisk ikke. Tvert imot, disse sektorene har mange kommersielle aktører i dag. De yter et viktig bidrag, og de er velkommen til å bidra fortsatt. Men det er sånn at den ideelle sektoren har en egenverdi i kraft av sin idealisme, i kraft av den sterke historien vi har der de ulike helse- og omsorgs-, velferds- og barnevernstjenestene som vi i dag har, er er utviklet med utgangspunkt i de ideelle organisasjonene og det arbeidet man startet på 1600-tallet. Jeg kan nevne Kirkens Bymisjon på 1800-tallet og Blåkors, som startet sitt arbeid for rusavhengige for hundre år siden, osv. – mennesker som startet og rett og slett utviklet nye tilbud fordi man brydde seg. Det har en egenverdi, og det er det Kristelig Folkeparti er opptatt av å ivareta. Det er ikke et korstog mot kommersielle aktører. Innenfor barnevernet kan jeg nevne som et eksempel at der har de kommersielle tatt en del av de utfordringene som det offentlige ikke har klart, og derfor trenger vi dem fortsatt, og vi vil fortsette å gjøre det. Innenfor helsevesenet har vi mange kommersielle aktører i dag som det fortsatt vil være behov for. Men de er jo kommersielle aktører nettopp fordi de ønsker å opptre i et marked, og da skal de få lov til å være i det markedet, de skal få lov til å konkurrere i det markedet på de betingelsene som det er naturlig at private, kommersielle aktører opptrer i. Mange av dem er større selskaper, kjeder og konsern som har andre forutsetninger for å takle den kortsiktigheten som ofte ligger i de anbudsmekanismene som benyttes i dag. Derfor er det i stor grad de som i stor grad de som overlever med dagens regime, og de ideelle som går dukken. Kristelig Folkeparti er opptatt av å ta vare på de ideelle aktørene, nettopp fordi den idealismen og de verdiene de står for, har en egenverdi i velferdssamfunnet. Det vil vi slåss for, og det ligger også til grunn for det forslaget vi har lagt fram.

veldig viktig, og det er gjentatt her på talerstolen. I dette ligger det også at det virkelig haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle virksomhetene. Senterpartiet deler denne utålmodigheten, sammen med resten av flertallet som står bak disse merknadene i saken. Vi er opptatt av at dette blir fulgt opp i regjeringen. Jeg synes dette har vært en god debatt. Vi har fått fram klare skillelinjer i denne saken, og jeg ser fram til at vi både skal få oppfølging i saken, og at vi skal kunne debattere videre skillelinjer i andre saker der jeg er sikker på at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti vil ha felles standpunkt. Representanten Bent Høie Høie har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg viser til at representanten Per Olaf Lundteigen understreket at de regionale helseforetakene ikke lever sitt eget liv, men i høyeste grad er styrt av statsråden. Så til representanten Terje Aasland: Jeg vil bemerke at mitt innlegg var en god beskrivelse av det som er for det er altså en rød-grønn statsråd som har drevet disse helseforetakene de siste fem årene, og som etter representanten Lundteigens beskrivelse har god styring på måten de drives på. Men dette er ikke Høyres anbudspolitikk. Det er ikke slik at Høyre i denne saken har tatt til orde for at vi skal avskaffe og ikke bruke anbud. Men det går an å bruke anbud med hodet og dermed nærmest ha en plan for hva man ønsker som resultat. Da Høyre satt i regjering sist, gjorde man det.

tirade, får jeg nesten si, mot Kristelig Folkeparti besvart. Men det er faktisk ikke slik at det er Kristelig Folkeparti som sitter med styringen i dette landet, selv om det nesten hørtes slik ut på Olemic Thommessens innlegg. Jeg har ingen interesse – ingen interesse – av å ta noe som helst ansvar hvordan den rød-grønne regjeringen holder på med sitt anbudshysteri eller sørger for hvem som vinner eller taper anbud, og raderer ut et differensiert tilbud. Jeg kan forsikre representanten Thommessen om at Kristelig Folkeparti hadde ønsket en helt annen retning, også i forhold til mindre, private tilbud, slik at man nettopp sikret en helhet og et differensiert tilbud som imøtekom mange ulike gruppers behov. Og så til Lundteigen: Jeg tror representanten Lundteigen må ta seg en titt på de regionale helseforetakene. Jeg anbefaler sterkt en studietur til Oslo Hospital. Hør hva de sier om det anbudsgrunnlaget de er blitt presentert, og som de har tapt på. Det ligner ingenting. God tur!

De holdes utenfor de endringene i anbudssystemet som man altså ønsker. Og så tenker jeg: Har man faktisk tatt inn over seg hvilket volum – vil det være penger igjen, etter at man først har fylt de statlige, for vi kjenner jo rekkefølgen med denne regjeringen? Først skal man fylle de statlige – de bygger man stadig opp – og så skal man altså da prioritere de ideelt Hvilken plass er det da tilbake? Jeg undres på om de budsjettene vi har å holde oss til, faktisk vil gi noen særlig plass tilbake. Når jeg går såpass hardt ut mot Kristelig Folkeparti, er det fordi jeg opplever at Kristelig Folkeparti gir en slags legitimitet til det løpet regjeringen og de rød-grønne partiene ønsker å kjøre. kjøre. Det blir lagt merke til. Jeg tror det er et løp som er et meget farlig eksperiment, fordi det i realiteten vil bety at mangfoldet kommer til å forsvinne – over tid. Vi har jo ennå i hvert fall tre år igjen med denne regjeringen, og da er det greit at representanten Syversen ikke vil ta ansvar for det han kaller «anbudshysteri». Jeg er helt enig i den beskrivelsen. Men representanten Syversen og resten av Kristelig Folkeparti bidrar altså til å legitimere en ny omdreining av skruen, for det er det som kommer til å være konsekvensen av det som Syversen vil få fremlagt fra denne regjeringen, som jeg skal garantere at han får. Så til anbud og representanten Lundteigen: Visst står vi inne for det står jeg oppreist i forhold til. Men man trenger ikke å være mer katolsk enn paven. Anbud er en måte å skaffe seg kunnskap og innsikt på, og så får man bygge et anbudssystem som også kan fungere. Det er det fullt mulig å gjøre. Dagens anbudssystem har gitt oss erfaringer som viser at det er en masse svakheter i dette, og det er klart at det går an å gjøre noe med

Det er

de vil stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Fremskrittspartiet også her vil stemme imot.